saken. Representanten Arne Sortevik vil framsette et representantforslag. På vegne av representantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Harald T. Nesvik og meg selv vil jeg gjerne sette frem et representantforslag om å styrke sjøtransportens konkurranseevne i Norge. Representanten Laila Dåvøy vil framsette et representantforslag. Jeg har gleden av å sette frem et representantforslag

Høyre 20 minutter, Sosialistisk Venstreparti 10 minutter, Senterpartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 10 minutter, Venstre 10 minutter og medlemmer av regjeringen 10 minutter. Presidenten vil videre foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil fire replikker med svar etter innlegg fra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

Elevene lærer mer, og kvaliteten blir bedre. Det er naturlig å starte årets budsjettdebatt med nettopp dette. Hva forteller dette oss? At hardt arbeid og målrettet innsats over tid nytter. Riktige veivalg og systematisk arbeid har gitt resultater. Så må alle vi som har innflytelse i norsk skole, fortsatt jobbe hardt. Men vi er, som forskerne som la fram undersøkelsen, selv sier, på rett spor. Det gir skolen selvtillit og tro på at man jobber riktig. Det i seg selv er en kilde til ny energi. Håpet er at vi vil se enda flere tegn på framgang i tiden som kommer. Jeg tror det vil skje. Resultatene av PISA-undersøkelsen for 2009 vil jeg ikke bruke mer tid på her. Det er kjent for de aller fleste allerede. Jeg ønsker derimot å gå inn på hvorfor det er slik, slik Arbeiderpartiet ser det. Som i skolen for øvrig – målrettet innsats basert på kunnskap virker. Vi eksperimenterer ikke med skolen. Høyresiden vil ha mer konkurranse, privatisering og rangering av elever, av skoler og av lærere. Fremskrittspartiet og Høyre er positive til nivådeling og inndeling etter ferdigheter. Dette advarer forskere, lærere, skoleledere og elever mot. OECDs egen vurdering av PISA-undersøkelsen for alle landene framhever den nordiske skolemodellen fordi vi har unngått segregering, nivådeling og Etter min mening er dette en sterk støtte til fellesskolen. Både i Sverige og i Danmark har privatiseringen skutt fart de siste årene. De er med god grunn mindre fornøyd med resultatene enn det vi er. Særlig Sverige har grunn til å revurdere sin skolepolitikk. Den borgerlige privatiseringsbølgen har ført til økte forskjeller, men minst like viktig – den har samlet sett ført til en dårligere skole. Kunnskapsløftet kan vi på mange måter stå sammen om. Det var en Arbeiderparti-minister som satte ned Søgnen-utvalget, og som la mange av de viktige premissene for Kunnskapsløftet. Det var Høyre-minister Kristin Clemet som la saken fram i Stortinget under Bondevik II-regjeringen. Det var en SV-minister som satte reformen ut i livet. Vi er enige om målstyring og ikke detaljstyring. Vi ønsker fortsatt en sterk satsing på grunnleggende ferdigheter og på å styrke alt som gjør læreren bedre i stand til å lykkes. I budsjettet ser vi også en satsing på dette. Denne høsten iverksatte vi reformen om lærerutdanning. Det vil gi lærerne i grunnskolen en høyere og mer spesialisert kompetanse for de årstrinnene, og i de fagene, de skal undervise. I budsjettet bedrer vi finansieringen for denne utdanningen ved å gi over 100 mill. kr mer enn i dag til allmennlærerutdanningen. Dette er et historisk løft for å sette lærestedene i stand til å følge opp de kravene som stilles i den nye rammeplanen. Videre er det bred enighet om at lærernes videre kompetanse skal sikres gjennom et varig system for etter- og videreutdanning. Siden 2006 er det bevilget nesten 2 mrd. kr til dette. Når skoleeier bevilger tilsvarende beløp, er vi oppe i 3,85 mrd. kr. Statsråden er godt kjent med den uro som er i Stortinget over at for mange plasser står tomme

Men det er og blir et viktig poeng at skoleeier, dvs. kommunene, må se seg tjent med det og evner å sette inn godt kvalifiserte vikarer når andre lærere er under utdanning. Men det er kommunene som bestemmer dette. Jeg har lyst til å rette fokus mot Oslo, som kutter i etter- og videreutdanningstilbudet, som fjerner den kommunale stipendordningen, og som bruker mindre penger på det som er forutsatt i spleiselaget mellom stat, kommune og Det er verdt å merke seg for de borgerlige i salen. Hovedsatsingen i budsjettet handler om å bekjempe frafall. Som vi alle vet, er det vesentlig at grunnleggende ferdigheter er på plass når ungdommene kommer til videregående skole. Dernest må det målrettet satsing til. I årets budsjett ligger det nå 425 mill. kr i tiltak for økt Det største løftet innen høyere utdanning er 2 200 nye studieplasser. Men som det viktigste vil jeg trekke fram de 14 mill. kr til å støtte udanningsstøtten for studenter med nedsatt funksjonsevne. Denne gruppen får neste år et stipend 12 måneder i året, året gjennom. Det er et mindre beløp, og det gjelder ikke mange. Men dette vedtaket gir enda større kraft til Det er grundig dokumentert at denne gruppen opplever større barrierer enn andre når de vil studere. Samtidig har de lavere utdanning enn gjennomsnittet og større problemer på arbeidsmarkedet. Jeg er oppriktig glad for at vi i dette budsjettet løfter fram utdanning for nettopp denne gruppen. Jeg vil være ærlig i min omtale av forskningsbudsjettet. Det er et bra budsjett, men det er ingen kraftig økning. Årets statsbudsjett bærer preg av mindre oljepengebruk enn tidligere, og det synes også på forskningsbudsjettet. Men sammen med valutakursendringer i internasjonale kontingenter, endringer hva gjelder bygg i universitets- og høyskolesektoren samt kutt i forskning på andre deler av budsjettet enn det som ligger i denne komiteen, har det gitt bevilgninger som sektoren selv ikke jubler for. Men jeg vil minne om at bevilgningene til forskning og utvikling har økt med 50 pst. fra 2005 til 2011, fra 15,5 mrd. kr til Dette tilsvarer en realvekst på hele 27 pst. Vi har mer enn doblet kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping. Sammenlignet med andre land er den offentlige innsatsen svært bra og på et nivå som plasserer oss på toppen i Norden. I et stramt forskningsbudsjett er det derfor bra at vi har fått på plass noen målrettede satsinger. Vi gir 60 mill. kr mer til konkurransearenaen for fremragende forskning, og vi satser videre Det er svært lenge siden vi har hatt et så godt kirkebudsjett som i år. Bevilgningene til Kirken øker med 158 mill. kr. Vi har lagt inn penger til flere prestestillinger. Vi bevilger mer til trosopplæringen, slik at denne fases inn av fellesrådene i stadig flere kommuner. Og vi gir penger til kirkevalget, som skal sikre demokratiet i Kirken. Til sist. Norge er et godt land å bo i. Mange politikere, også i våre nærmeste naboland, misunner oss vår posisjon. I mange europeiske land marsjerer folk i gatene i disse tider, anført av studenter som bl.a. protesterer mot en kraftig økning av studieavgiftene. Det viser at vi skal være varsomme med å gjøre noe med dem, som enkelte partier til dels foreslår og til dels snuser på. Orden i norsk økonomi er viktig for å sikre penger nok til gode formål i samfunnet. Dette budsjettet leverer i så måte. Det blir replikkordskifte. Representanten Marianne Aasen fremhevet i sitt innlegg viktigheten av målrettede tiltak og fokuserte på grunnleggende ferdigheter i skolen. Representanten viste også til

Mitt spørsmål til representanten Aasen er derfor: Hvordan kan regjeringens fjerning av støtte til dyslektikere henge sammen med strategien for økning av basisferdigheter og kompetanse i skolen? Jeg synes det er kjempebra at Fremskrittspartiet tar opp dette med gutter og problemer når det gjelder lesing. For det er et problem i Norge, som i veldig mange andre land som har vært med i PISA-undersøkelsen, at gutter leser mye mindre, de leser dårligere, og de har dårligere leseforståelse enn jenter. Samtidig vil jeg peke på at det er færre totalt sett – mange færre elever, faktisk – som leser dårligere i denne undersøkelsen enn i 2006. Det gjelder også gutter. Like fullt er det bekymringsfullt, og vi er nødt til å ha ekstra satsing på denne gruppen. Når det gjelder dyslektikere, er det ikke sånn at de har fått mindre støtte.

at representanten Aasen og Arbeiderpartiet nå vil tie i hjel de norske elevresultatene i PISA 2009, som fortsatt viser urovekkende mange svake lesere, færre flinke lesere, og urovekkende få elever på de høyeste nivåene i matematikk og naturfag, som er helt kritisk kompetanse for Norge i fremtiden? Overhodet ikke! Og jeg tillater meg å ta en setning på engelsk i denne salen, for jeg mener at det slagordet vi bør bruke for norsk skole nå, er: Keep up the good work! Jeg mener vi gjør veldig mye bra. Vi gjør mer riktig nå i norsk skole enn vi gjorde i 2006. Den forrige borgerlige

er det vi skal satse på. Jeg vil at vi skal snakke skolen opp, vi skal ikke snakke den ned. Men vi har en lang vei å gå fortsatt, med de høye ambisjonene som Arbeiderpartiet, og jeg vil tro også Høyre, har for norsk skole. Vi skal gjøre alle bedre. Vi skal ikke minst løfte dem som sliter med lesing, som Fremskrittspartiet tok opp i den forrige replikken, men vi skal også løfte de flinkeste. Hele norsk skole skal fortsatt løftes, og det skal vi bruke PISA-undersøkelsen til.

En av de tingene som representanten Aasen har vært opptatt av som et av de store virkemidlene i norsk skole, har vært timetallsøkningen. Hun har forsvart det varmt og vært tydelig på at de timene som er kommet, bare er på veien til det hun kaller en helhetlig skoledag, men som i realiteten er en heldagsskole. Mange ganger handler det mål. Mitt spørsmål til representanten Aasen er: Hvor mange timer inneholder en slik helhetlig heldagsskole som representanten Aasen ønsker? Og hvor mange økte timer kommer det til å komme fra denne regjeringen? Arbeiderpartiet er for en helhetlig skoledag – det er helt riktig, og det står jeg for. Men vi har ikke noen planer som jeg kan annonsere fra denne talerstolen, utover det som ligger i neste års budsjett, som vi i dag skal vedta. Jeg har lyst til å si at økt timetall i de viktigste fagene som norsk, matematikk og engelsk, supplert med felles skolemåltid, fysisk aktivitet og leksehjelp, er gjennomført på en del forsøksskoler. forsøksskoler. SINTEF evaluerte det prosjektet, og forsker Brita Bungum konstaterte at elever, lærere og foreldre er fornøyd. Dette er en fortelling om suksess. Et tilsvarende forsøk er gjort i Oslo, og de hadde bedre resultater enn referanseskolene. Jeg mener at helhetlig skoledag gir et løft for norsk skole, og jeg mener også at representanten Dagrun Eriksen har et problem i forholdet til sin samarbeidspartner Høyre, som ligger nærmere oss i antall timetall enn Kristelig Folkeparti. Jeg tenkte jeg skulle si litt om noe som jeg og representanten

er. Hvis vi skal klare å komme tilbake dit hvor vi igjen får en skoleadministrasjon i kommunen som tar seg av rundskrivene, mens rektorene tar seg av veiledning og av pedagogikken, tror jeg nok vi trenger større kommuner. Så mitt spørsmål til representanten Aasen blir da hvorvidt hun tror hun klarer å få til det med Senterpartiet i regjering. Jeg har tidligere uttalt meg positivt om kommunesammenslåinger, men det står ikke at vi vil bruke tvang når det gjelder kommunesammenslåinger, verken i Arbeiderpartiets program eller Soria Moria-erklæringen. Så det er ikke aktuelt i inneværende stortingsperiode. Jeg er sterk tilhenger av at vi skal styrke kompetansen i kommunene. Jeg mener det er altfor få kommuner som samarbeider – det er bare 4 pst. som samarbeider når det gjelder skole. Jeg er sterk tilhenger av at man når det gjelder skole slår sammen kommuneadministrasjonen i små kommuner som trenger faglig kompetanse. Og jeg er sterk tilhenger av at de kommunene som ønsker det, slår seg sammen for å få et bedre tilbud til elevene.

har også lyst til å begynne med PISA. PISA-undersøkelsen viser at Kunnskapsløftet er i ferd med å få effekt. Den viser at fokusering på kompetansemål, måling av resultatene skolene oppnår, har effekt. Jeg tror litt av årsaken til at vi er i ferd med å komme dit, er at vi i større grad i dag enn tidligere har samme virkelighetsoppfatning, ute i sektoren og i de politiske partiene. Jeg har sagt tidligere at i norsk skole skjedde det lite fra 1930-tallet til 1970-tallet. Da startet det en tiltakende reformiver, og på 1990-tallet slo denne og vi reformerte som blinde høns både på høyresiden og på venstresiden. 2000-tallet har gitt oss mye mer kunnskap om skolen. Vi får stadig mer kunnskap på grunn av forskning på pedagogikk og skole – internasjonal forskning og norsk forskning – og vi har internasjonale komparative studier som f.eks. PISA, i tillegg til nasjonale prøver. Kunnskapsnivået er hevet, og det gir oss en felles plattform å diskutere skolen på. Det Det er viktig. PISA viser også at satsingen på lesing har fungert. Det viser at kvaliteten på læreren i den norske skolen er av stor viktighet, det viser at det er viktig at vi på Stortinget har fokus på videreutvikling av lærerutdanningen, men det viser også at kommunene og staten i fellesskap må satse beinhardt på etter- og videreutdanning av lærere. lærere. Det er klart at kommunene må ta sin del av ansvaret der, men jeg tror – og det kommer også til uttrykk i Fremskrittspartiets budsjett – at staten må ta et større ansvar. Dette handler selvfølgelig også om å gi kommunene handlingsrom for å ta disse grepene gjennom en styrket kommuneøkonomi. Men det som er mest gledelig med PISA, er at hele venstresiden nå omfavner resultatene

hevder at PISA ikke sier alt om norsk skole. Det er mulig det, og det er for så vidt sant også. Men for de guttene, altså én av fem, som ikke kan lese, sier PISA-tallene alt som vi trenger å vite. Men satsingen har fungert. Nå må vi sørge for at guttene også får det løftet som særlig jentene har fått. Stimulering av leselysten for gutter er i så måte av avgjørende betydning. Dette løftet må gjøres i skolen, det må gjøres av lærerne, det må gjøres av rikspolitikerne og det må, ikke minst, også gjøres av familiene. Vi må anta at gutter og jenters leselyst ikke stimuleres av den samme litteraturen. Behovet for stimulering av gutters leselyst er heller ikke noe nytt fenomen. I den anledning finner jeg det passende å sitere Bjørnstjerne Bjørnson, som skrev i bøger, de selv-samme tanker kamraterne åd; men jeg tabte apetitten og så længe vraged kosten, til jeg endelig blev kvit den -» Så skolepensumet appellerte ikke til Bjørnson. Men Bjørnson ble allikevel heldigvis stimulert til å lese. Noe av årsaken finnes i samme dikt, der Bjørnson skriver: «vi måtte gå der, til vi blev store. Jeg gik der også, - men læste Snorre.» Det var Snorre som vekket leselysten hos Bjørnson. Nå er det vår oppgave i fellesskap å finne ut hva som stimulerer leselysten til norske gutter i dag. Jeg må kanskje stille meg noe tvilende til om Snorre er svaret for alle norske gutter, men i hvert fall er det nøkkelen til å løse denne viktige jobben for oss, å få flere gutter godt lesekyndige. I realfag og matematikk er vi på

vi da vi fant oljen, satset knallhardt på realfagkompetanse for å få mest mulig igjen for de hydrokarbonene vi fant i Nordsjøen. Når man nå vet at vi skal lage en ny økonomi i Norge, og at vi er nødt til å skape en kunnskapsbasert økonomi i Norge i nær framtid, stiller jeg meg litt undrende til denne jubelen over gjennomsnittet i OECD. Jeg lurer på hvilken arbeidsminister, sosialminister, finansminister, eller for den saks skyld hvilken som helst minister, som dersom Norge når det gjaldt velferd og velstand, lå på et gjennomsnittlig OECD-nivå. Hvis vi på disse parameterne skåret like bra som Polen og mente at det var bra, hadde jeg undret meg kraftig. Jeg tviler på at disse statsrådene hadde blitt gjenvalgt. Det er klart at skal vi med en kunnskapsbasert økonomi klare å beholde velferd og velstand, er ikke gjennomsnittlig nivå i OECD godt nok. Nå er vi enige om at satsing på lesing har hatt effekt. Nå er det på tide at også realfagene får sitt løft. Det er vi helt avhengig av for å beholde velferdsnivået i Norge. Så er det jo sånn at disse noe middelmådige resultatene i realfag i videregående skole, eller i hele grunnutdanningen, også får effekt lenger oppe i systemet. Ingeniørfaglig kompetanse er grunnleggende for norsk økonomi, og det er grunnleggende for de tekniske tjenestene ute i norske kommuner. Vi ser nå et stort frafall i høyere utdanning på teknologisiden, noe som delvis er forårsaket av svake resultater fra grunnutdanningen, men også helt åpenbart fra interne forhold i høyskolene. Det er bl.a. forårsaket av at ingeniørutdanning er fryktelig dyrt å drive, og det gjenspeiles ikke i finansieringsmodellen til regjeringen. Jeg er veldig glad for at regjeringen nå har lagt fram et forslag i dagens budsjett om å styrke finansieringen av lærerutdanningen. Det tror jeg er et veldig viktig og riktig grep. Jeg er allikevel bekymret over at man ikke gjør det samme for ingeniørene. Teknologisk kompetanse er grunnleggende for oss, og Fremskrittspartiet foreslår altså i å gi ingeniørene det samme løftet som lærerne har fått. Jeg tror det er nødvendig for å beholde den gode kompetansen vi har på det feltet. Men det får altså ikke flertall i dag. Så til forskning. Nå vil alle være innforstått med at det er tøffere i år enn det har vært for den rød-grønne regjeringen tidligere. Jeg synes likevel det er lite ambisiøst det vi kommer til å vedta i dag. Men det store problemet er jo ikke i 2011. Det store problemet er jo at lavere avkastning på Forskningsfondet kommer til å skape store utfordringer i 2012. Derfor synes jeg det er trist at regjeringen ikke legger inn mer penger i Forskningsfondet i år, slik at man kunne ha unngått det store kuttet som vil komme i 2012. Men regjeringen er herved advart om det. Jeg kan ikke akkurat si at jeg ser fram til debatten til neste år, men håper at vi i fellesskap klarer å sørge for at trykket på forskning opprettholdes også i 2012. Dagens budsjett gir ikke grunnlag for det. Så, president, går tiden. Jeg hadde den glede å høre også finanskomiteens debatt, hvor jeg tror det var en av statsrådene som sa at dette er et budsjett for de svakeste. Arbeiderpartiet går til valg på at alle skal med. Det gjelder tydeligvis ikke barnehjemsbarna som er under høyere utdanning i Norge. Det er 90 studenter under høyere utdanning i Norge som er barnehjemsbarn eller i barnevernets omsorg. Det hadde kostet 5 mill. kr å gi disse studentene studiestøtte. Det velger den rød-grønne regjeringen ikke å gjøre. Da synes jeg at slagordene til den

Finland gjør det klart best av de nordiske landene, med det mest sammenholdte og enhetlige skolesystemet. Sverige har nedadgående resultater. Det svenske skoleverket trekker fram mulige forklaringer: segregering elevsammensetningen er blitt mer homogen forskjellen mellom skoler og ulike elevgrupper er blitt større differensiering gruppeinndeling etter hvilke behov for støtte eleven har Dette påvirker ikke elevens resultater i positiv retning. Fremskrittspartiet har før trukket fram de to siste som gode virkemidler i skolen. Mener Fremskrittspartiet fortsatt at vi skal følge etter Sverige nedover, eller skal vi fortsette å løfte oss mot Finland, som den rød-grønne regjeringen gjør? Jeg noterer meg at man fra rød-grønn side fortsatt jubler over at vi på ett felt har passert gjennomsnittet i OECD og på to andre felt er på gjennomsnittet i OECD. Det får man bare ta til etterretning. Jeg håper ikke det sier noe om ambisjonsnivået til den rød-grønne regjeringen for skolen i tiden som kommer. Så har jeg lyst til å være krystallklar på én ting: Det er ingen tvil om at vår aller viktigste rolle, uansett om man tilhører venstresiden eller høyresiden, er å styrke den offentlige skolen. Det er jeg krystallklar på. Det er det viktigste vi kan gjøre i fellesskap. Men så har ikke jeg helt de enorme ideologiske skylappene som noen på venstresiden har, og mener at det må være rom også for et privat supplement. Jeg tror f.eks. at private supplementer, aktører inn mot den offentlige skolen, kan være et viktig bidrag for å øke den andelen på nivå 5 og nivå 6 som etter min oppfatning er urovekkende lav i PISA-undersøkelsen. I en budsjettdebatt er

Når vi ser på kuttene, avslører en kanskje litt mer hva slags kunnskapssyn en har som politisk parti. Det synes jeg Fremskrittspartiet her gjør på en litt frustrerende måte. Det overrasker ikke meg at Fremskrittspartiet fortsatt vil svekke undervisningen for samer, og fortsatt vil svekke undervisningen for asylsøkere og ungene til asylsøkere. Det overrasker ikke meg. Hvis Tord Lien vil kommentere det, er det fint. Det

handlet om dyslektikere. Da var det helt åpenbart for den rød-grønne regjeringen at det var fornuftig at kommunene hadde ansvaret for disse. Da tenker jeg at det samme bør gjelde for etniske minoriteter, som f.eks. urfolk, som representanten var inne på. Når det gjelder asylsøkere, handler jo det om at Fremskrittspartiet nok har en annen politikk på hele asylfeltet. Vi forutsetter at vår politikk kunne ha gitt et noe annet antall elever som ville ha behov for denne type undervisning. Så er det viktig å huske på at Fremskrittspartiet også har et atskillig mer offensivt kommunebudsjett, som vil sette kommunene i stand til å stand til å løse disse oppgavene selv. Når det gjelder voksenopplæring, har det vært bred politisk enighet, slik jeg har forstått det, om at man skal fokusere mer på lesing og kunnskaper som man kan benytte i arbeidslivet. Vi vet at en god del av voksenopplæringsmidlene går til ting som ikke kan linkes veldig tett inn mot arbeidslivet. Noe av det beste med budsjettet innenfor denne sektoren er

at universell utforming bør planlegges inn i framtidige studentboligprosjekter, og at departementet legger til rette for dette.» Spørsmålet til representanten Lien er: Hvorfor synes ikke Fremskrittspartiet at universell utforming er viktig? Jeg vet ikke om man kan bruke Bibelen som Fanden» fra Stortingets talerstol, men her tror jeg representanten Christensen har lest i hvert fall bare en del av innstillingen. Vi har en merknad i innstillingen som er tydelig på at en god del av de studentboligene som skal bygges, skal være universelt utformet. Jeg tror tallet er 25 pst., noe som nok er høyere enn det som er tilfellet i dag. Det er slik at universell utforming av alle studenthybler medfører en kostnadsøkning. Vi vet at behovet er stort, og at kravet om universell utforming av alle studenthyblene vil føre til at vi får bygd færre studenthybler. Fremskrittspartiet mener at det er viktig å legge til rette for at også studentene med disse utfordringene kan ha tilgang på tilrettelagte hybler, selvfølgelig, men stiller man krav om at alle hybler skal være universelt utformet, blir det færre hybler enn det blir med vår tilnærming. Vi mener at dette er så viktig at vi må få bygd flest mulig hybler enn det blir med vår tilnærming. Vi mener at dette er så viktig at vi må få bygd flest mulig hybler fortest mulig. I sitt svar til meg i stad sa representanten at han legger til grunn at denne regjeringen har er så viktig at vi må få bygd flest mulig hybler fortest mulig. I sitt svar til meg i stad sa representanten at han legger til grunn at denne regjeringen har som ambisjon at man skal ligge på gjennomsnittet i OECD. Det kan jeg avkrefte. Denne regjeringen vil, som jeg sa i innlegget, strekke seg etter de beste, og en av de beste er Finland, som fra førsteplassen av Korea. Men OECD trekker også fram at i land hvor man gjør det dårlig, er det konkurranse i skolene om

inn i en kunnskapsbasert økonomi fra petroleum, som jeg tror at enkelte på venstresiden noen ganger er litt opptatt av, er vi nødt til å få flere som leverer på høyt internasjonalt nivå. Da er 2 pst. for dårlig. Særlig for disse elevene tror jeg det er fornuftig å ha et supplement til den offentlige skolen. Vi vet at de som er i de andre kategoriene, de som ligger lengst ned og presterer dårligst, også har nytte av

i lesing, matematikk og naturfag, kunne vi denne gangen notere oss fremgang. Leseferdighetene gjorde et gledelig byks oppover og plasserte oss på andreplass i Norden etter Finland. Nedgangen er snudd til oppgang også i matematikk og naturfag, selv om fremgangen her er mer beskjeden. Resultatene er det store gjennombruddet for tenkningen i Kunnskapsløftet og vektleggingen av grunnleggende ferdigheter som avgjørende byggesteiner for å oppnå bedre resultater og bedre læring for elevene. Skolereformer har det kjedelige ved seg at tiden fra reform til resultat, ofte mer enn et tiår, betyr at det sjelden er den statsråden og regjeringen som initierer reformen, som kan høste resultatene. Selv om 2009-resultatene av Selv om 2009-resultatene av PISA viser fremgang, er sannheten også at vi er tilbake der vi var etter første runde PISA i 2000. Kunnskapsministeren har helt riktig minnet oss på at det var et resultat som den gangen sendte sjokkbølger inn i norsk skole. Høyres nagende mistanke om at det ikke sto så bra til i norsk skole, ble til fulle bekreftet da vi fikk de første 2001. Det ga startskuddet til en stor snuoperasjon i norsk skole under ledelse av daværende utdanningsminister Kristin Clemet fra Høyre. Norge kunne rett og slett ikke leve med skoleresultater under gjennomsnittet i OECD samtidig som vi lå i toppen i ressursbruk og lærertetthet. Vi kunne heller ikke fortsette i et spor der en av fem elever gikk ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. PISA 2000 dannet opptakten til Kunnskapsløftet. Men det er også et faktum at Kvalitetsutvalget samme høst fikk et nytt mandat og en ny sammensetning. Søkelyset ble for alvor satt på grunnleggende ferdigheter, flere timer i basisfagene og betydningen av dyktige lærere. Det er hevet over tvil at Kristin Clemet med stortingsmeldingen Kultur for læring satte en ny skolepolitisk dagsorden i Norge. Det er ingen overdrivelse å si at innføringen av nasjonale prøver som ledd i et nasjonalt kvalitetssikringssystem for norsk skole møtte betydelig motstand, særlig i SV, som så sent som i 2005 drev valgkamp på å vingeklippe de nasjonale prøvene. Jeg konstaterer at det fortsatt er stor uenighet om hvorvidt det skal være åpenhet om resultatene. Regjeringens politikk om å holde resultatene av nasjonale prøver lengst mulig unna offentligheten rammer etter Høyres mening elevene, fordi sentral informasjon om kvalitet i skolen dermed holdes unna offentligheten og samfunnsdebatten. Kunnskap om skolen er en forutsetning for å gjøre forbedringer i skolen.

bedring i lesing, men fortsatt mange svake lesere, og guttene er klart overrepresentert her. Vi har også færre lesere på toppnivå. I matematikk og naturfag er mønsteret mye det samme, som representanten Tord Lien også har vært inne på. Noen sliter tungt, og urovekkende få elever hevder seg Ser vi fremover, kan det medføre stor knapphet på viktig nøkkelkompetanse i realfag. Det er dårlig nytt for landet og for utviklingen av de nye næringene vi skal leve av etter oljen, som alle bygger på tung realfagskompetanse som en forutsetning.

Kunnskapsløftets tydelige vektlegging av grunnleggende ferdigheter, klare kompetansemål i fagene og metodefrihet for lærerne har vist seg robust i møte med senere forskning og undersøkelser av elevenes prestasjoner. Dessuten vet vi at godt kvalifiserte lærere er veien til suksess. Hovedlinjene i Kunnskapsløftet fikk heldigvis tverrpolitisk støtte. Det er derfor grunn til optimisme på skolens vegne når Stoltenberg-regjeringen nå loser skolen videre, langs den stien som ble tråkket opp av den forrige regjeringen. PISA 2009 er en ny påminnelse om betydningen av dyktige lærere. Forskjellene i resultater innad på skolene, og mellom gutter og jenter, krever nå full oppmerksomhet fra et samlet lærerkorps. Høyre mener tiden nå er overmoden for en større satsing og videreutvikling av lærerkompetansen for å ruste lærerne enda bedre faglig i møte med elevene. Høyre vil derfor innføre rett og plikt til etter- og videreutdanning og gi alle lærere mulighet til karrierebygging i sine fag. Et stort flertall av lærerne oppgir behov for faglig påfyll, men med dagens takt i etter- og videreutdanning vil det ta mange tiår å møte dette behovet. Derfor mener Høyre at regjeringen prioriterer feil når den bruker mer penger til frukt og grønt og frivillig leksehjelp enn til faktisk å kraftsatse på lærere. Høyre har i sitt alternative budsjett satset på å gjøre mer av det vi vet virker for å heve kvaliteten i skolen. Vi dobler bevilgningen til kompetanseheving for lærere, og vi foreslår to nye timer på barnetrinnet for ytterligere å styrke begynneropplæringen. I tillegg foreslås 100 mill. kr til leksehjelp på ungdomstrinnet der behovet er størst.

Jeg viser for øvrig til forslag om en stortingsmelding om forsterket innsats mot mobbing, som er et stort og urovekkende problem i norsk skole. Ny GIV rommer en rekke positive tiltak for å få ned frafallet i videregående opplæring. Høyre er utålmodig, og vi synes det er uholdbart at det skal ta et halvt år å komme i gang med arbeidet om en ny samfunnskontrakt, og det er også uholdbart at positive tiltak, som f.eks. Skole på byggeplass, nå ser ut til å forsvinne. Tilpasset opplegg for elever som sliter, og der vi kan motvirke frafall, må altså vike for en A4-tenkning som ikke betyr godt tilpasset opplegg. Jeg viser for øvrig til forslag om en forpliktende strategi for flere lærlingplasser i offentlig sektor, og det haster, med tanke på viktige sektorer som trenger mye arbeidskraft i fremtiden, bl.a. helsesektoren, og der det i dag er altfor få lærlingplasser. Høyres yrkesløft har en rekke forslag til bedre tilpassing av opplæring til ulike fag og elever med ulike forutsetninger. Dessverre for elevene har regjeringspartiene stemt ned de aller fleste forslagene.

Høyre reagerer på at det i budsjettbehandlingen konkluderes i sentrale spørsmål knyttet til organisering av hjelpeapparatet for elever med spesielle behov, helt løsrevet fra meldingen og til tross for protester fra dem dette angår, fordi de føler at de ikke blir hørt og får være en del av prosessen. Bortfall av statlig støtte til PC-utstyr for dyslektikere har gjort hverdagen vanskeligere for disse elevene. Det er ikke lenger én dør å gå inn for å Langt færre synes å henvende seg til kommunen for sånne hjelpemidler. Om vi ikke tror at antallet dyslektikere er blitt dramatisk redusert over natten, er det nå en reell fare for at mange elever ikke får den hjelpen de har krav på i skolehverdagen. Regjeringens kutt i PC-støtten er usosialt, og det er helt uforståelig at en skolestatsråd fra SV kan stå fram og forsvare dette.

godt, og så vil vi legge skylden på andre når det går dårlig. Det kan jo ofte være fristende for alle partier, la meg understreke det, men jeg opplever ofte at det Jeg opplever at det velgerne er mest opptatt av, er Det jeg konstaterer nå, er at Fremskrittspartiet og Høyre gjør det bra på meningsmålingene. Det jeg da lurer på, er hva slags skole vi da får. Det jeg ikke er redd for, er at vi skal få mindre fokus på lesing. Jeg er heller ikke redd for at vi skal få mindre fokus på tidlig innsats eller en del av de tingene som det heldigvis, vil jeg si, er bred politisk enighet om. Men jeg er redd for hva Høyre og Fremskrittspartiet vil gjøre i forhold til private skoler. Jeg er redd for hva Høyre og Fremskrittspartiet vil gjøre i forhold til inndeling i grupper etter prestasjoner. Der har jeg lyst til å peke på en rapport fra Sverige, der sies det rett ut at inndeling etter prestasjonsnivå fører til lavere nivå. Går dere inn for det, i Høyre? Jeg er veldig glad for at jeg fikk det spørsmålet fra representanten Marianne Aasen. Høyre går altså ikke inn for den nivådelingen, sånn som Marianne Aasen beskriver den, at man skal sette elevene i permanente båser. Vi har sagt at de rådene som kom fra Matematikkutvalget, faktisk er noe som alle politikere bør lytte til. Det er et fag som sliter kolossalt, og man har foreslått at man skal nærme seg elevene med større grad av differensiering i klassesituasjonen. Det mener jeg er å etterleve opplæringslovens bestemmelse bestemmelse om tilpasset opplæring. Det er å ta den bestemmelsen på ramme alvor og legge til rette for en undervisning som faktisk alle elvene kan ha utbytte av, og som setter dem i stand til å klatre og å oppleve mer mestring, faglig. Høyre er

Med det som bakgrunn er det interessant å lese Høyres alternative statsbudsjett, som kutter en halv milliard i rammen til fylkeskommunene. Det hadde vært interessant å høre representanten Aspakers forklaring på sammenhengen mellom kutt i rammen til fylkeskommunene og økt kvalitet i videregående opplæring. Den klare sammenheng er at de kuttene som gjøres i fylkeskommunens ramme, er knyttet til regional utvikling, hvor Høyre faktisk foreslår omdisponeringer og kommunale næringsfond som en erstatning for det. Høyre har klare, tydelige prioriteringer i sitt utdanningsbudsjett og innenfor kommunerammen, som sier at skole er blant de aller viktigste oppgavene som skal prioriteres, enten man befinner seg i et fylke, eller man befinner seg i en kommune. Så jeg kan berolige representanten Johannes Rindal og Senterpartiet med at det ikke er noen fare for at kvaliteten skal forringes i videregående opplæring om Høyre skulle komme til makten. Representanten Aspaker snakket varmt om etter- og videreutdanning i innlegget sitt. I Oslo kutter Høyre i etter- og videreutdanningstilbudet. De fjerner den kommunale stipendordningen og bruker mindre penger enn det som er forutsatt i spleiselaget. Det jeg lurer på, er: Hvorfor kutter Høyre på dette i Oslo, når etter- og videreutdanningstilbudet er så viktig for Høyre sentralt?

der man ser at det er nødvendig. Jeg føler meg veldig rolig på at de prioriteringer Oslo gjør, fortsatt har det ene fokuset at de skal skape en skole som gjør at alle elevene i Oslo faktisk skal få mulighet til å strekke seg og nå nye faglige mål. Jeg har lyst til

initierte, er en friskolelov som Høyre mener vi kan tillate oss å ha i Norge. Om det går 4–5 pst. norske elever i friskoler, er det ingen trussel mot den offentlige skolen. Tvert imot mener vi at det er riktig at elevene og foreldrene skal kunne ha mulighet til å gjøre et slikt valg. Replikkordskiftet er omme. I regionalpolitikken skiller en gjerne mellom den lille og den store politikken. Den lille handler om by- og

mens den store handler om den store samfunnspolitikken. Da kommer vi inn på veg- og samferdselspolitikk, landbrukspolitikk, helsepolitikk osv. Da er poenget at det hjelper ikke om en driver med småpene ting innenfor den lille regionalpolitikken, hvis en i den store politikken, f.eks., har en politikk som fører til sterk sentralisering og svekker Når temaet er kunnskapspolitikk, er det like hensiktsmessig, synes jeg, å prate om både den lille og den store politikken, for skolen – altså hele opplæringssystemet vårt – skal jo speile samfunnet. Vi ser stadig mer i skoledebatten at flere og flere av oss fokuserer på at det er et sterkt avhengighetsforhold mellom skole og samfunn. Begge trenger hverandre, og begge må spille på lag for å lykkes med de mål og ambisjoner en har. har. Etter SVs mening er det særlig når det gjelder den store kunnskapspolitikken, at høyrepartiene i Norge svikter. Det nytter lite å arbeide mot sosial reproduksjon inne i skolebygningen og inne i opplæringssystemet når den generelle samfunnspolitikken til høyrepartiene har som konsekvens større sosiale og økonomiske forskjeller mellom folk og distrikter. Det blir like fåfengt å arbeide for en nulltoleransetilnærming til mobbing når folk ute i samfunnet – og det er mange av dem i dag – føler seg mobbet både av enkeltpolitikere og politiske partier for sin religiøse tro, for sin påkledning, for sin seksuelle legning, eller at de på grunn av uførhet ikke klarer å stå i arbeidslivet. Det blir ikke enkelt å inspirere elever, studenter og lærere til ivrig innsats hvis samfunnet for øvrig signaliserer at det ikke er så farlig med kunnskap. kunnskap. Vi ser det nettopp i en del viktige debatter i dag. For eksempel er klimadebatten et grelt eksempel på dette, der ikke minst Fremskrittspartiet snur kunnskap og forskning ryggen og har sine egne forklaringer, i motsetning til det «kunnskapsprodusentene» forteller oss. Det hjelper lite at høyresiden er opptatt av å hylle likhet og små forskjeller, når vi har en skattepolitikk og en arbeidslivspolitikk som viser at partiene ute i samfunnet har en annen praksis. Men det er sjølsagt lurt taktisk oppslutningsmessig i dag å ikle seg rød-grønn språkdrakt, ikke minst i en tid da både forskere og mange politikere hyller den norske samfunnsmodellen. Det siste bidraget når det gjelder å framsnakke den norske modellen, kommer – noe overraskende kanskje – fra OECD i For det er ikke SV-leder og kunnskapsminister Kristin Halvorsen som forklarer framgangen i norsk skole ved å vise til enhetsskolen, og at vi har et samfunn med små sosiale forskjeller og spenninger. Nei, det er OECD sjøl! La oss også huske hva Boston College-professor Andrew Hargreaves uttalte på den store opplæringskonferansen i Trondheim i august, og som han gjentok da vi i KUF-komiteen var Det er to store årsaker til frafallsproblematikken i videregående skole. Den ene er ungdomsskolen, som vi nå tar tak i på en veldig god måte, og den andre er samfunnet – et samfunn med store sosiale forskjeller og med store spenninger. Når vi har et slikt samfunn, vil vi heller ikke klare å løse frafallsproblemene i videregående skole. Så over til den lille kunnskapspolitikken: ingen tvil om at det nå råder en ganske stor enighet både mellom de politiske partier, mellom de politiske partier og fagfolk her i Norge, og mellom de politiske partier og lærere og andre som jobber i skolen – heldigvis. Det synes jeg går tydelig fram av budsjettinnstillingen her i dag. Jeg ser jo at noen av opposisjonspartiene vil flytte litt på leksehjelp, noen vil ta ut frukt og grønt, noen vil redusere litt i antall timer, mens andre vil øke noe i antall timer, noen vil redusere litt aktiviteter i studieforbundene osv. Vi ser at privatisering er skjøvet i bakgrunnen. Jeg synes representanten Elisabeth Aspaker her svarte ganske diffust da hun ble utfordret tidligere i debatten i dag. Forskjellene er faktisk ikke større enn som så, og det er jo et godt utgangspunkt utgangspunkt for det videre utviklingsarbeidet som vi alle er så ivrige på å fortsette med, og som vi har så klare ambisjoner for. Tidlig innsats og en innsats der en i størst mulig grad ser enkelteleven – og ut fra det gir et tilbud justert for enkelteleven innenfor den rammen klassen eller gruppen setter – står sentralt i norsk skolepolitikk for tiden. For å få til dette er det viktig med tid nok, det er viktig med lærere nok, og det er viktig at skolen blir en plass der alle trives. Derfor er det så viktig at antall timer på barnetrinnet blir utvidet med en time fra høsten 2010, at vi har kommet i gang med leksehjelpordningen, og at Kunnskapsdepartementet sammen med lærerorganisasjonene og KS er i ferd med å utvikle en ressursnorm, slik at

litt imot å utvikle grunnskole/SFO-pakken til å bli et heldagstilbud, på samme måten som barnehagen så vellykket har blitt det. Vi har fått en kulturskolemelding – den må vi alle lese – som på en inspirerende måte nettopp presenterer et slikt mulig tilbud. Vi vet at de langt fleste foreldre trenger det, vi vet at næringslivet og samfunnslivet trenger den arbeidskraften som på denne måten blir «tilgjengelig» når ungene har et godt tilbud på dagtid. Ikke minst vet vi at ungene setter pris på en dag som er fylt med god skole, med god kultur, friluftsliv og idrettsaktiviteter, og som sjølsagt gir rom for avkopling og fri lek. I den siste PISA-undersøkelsen, som de fleste her kommer innom i dag, står det at «i en internasjonal sammenligning framstår Norge som et land med stor grad av utjevning når det gjelder læringsutbytte». altså bl.a. på sammenheng mellom læringsutbytte og sosial utjevning. Den sier, som ikke minst den rød-grønne regjeringa sier, at dette ikke er godt nok. Men relativt sett, er altså konklusjonen til forskeren bak rapporten, er vi på rett spor: Norge klarer en stor grad av utjevning sammenlignet med andre andre land. Dette var for meg en av de mest gledelige konklusjoner i den rapporten, for det viser at vi også er på rett veg når det gjelder dette. Et annet sentralt poeng for oss videre framover er å gjeninnføre større variasjon og mangfold, både med hensyn til fag og læringsmetode. Jeg gleder meg så over å bidra til å utvikle og etter hvert behandle den nye stortingsmeldingen for ungdomsskolen, for den tror jeg nettopp kommer til å betone dette på en god måte. Jeg håper inderlig at opposisjonen blir med på det, for nettopp å få tilbake noe av mangfoldet og variasjonen i tilbudet vårt, som igjen tar oss videre over i Ny GIV-satsingen, som på en veldig riktig måte signaliserer den samme forståelsen av hva som er poenget med opplæring, med det samme kunnskapssynet. kunnskapssynet. Vi har mistet noen år ved at vi har blitt litt for instrumentelle, litt for smale. Jeg håper at jeg i år ikke får en replikk mot meg som den jeg fikk i fjor, som går på at når en begynner å prate om en mer praksisnær skole, når en begynner å prate om hvor viktig det er å få inn kunst- og kulturfag osv., skal en bli beskyldt for at da er det leking vi er på jakt etter i norsk skole. Litt om høyere utdanning og forskning: Vi har mange gode skoledebatter i dag. Det er et lite unntak når vi kommer til høyere utdanning og forskning, for her ser det ut som om det er krise, det har liksom aldri vært verre enn det er i dag. Hvis vi ser på den rød-grønne regjeringsperioden, sier fakta på bakken at vi har hatt en betydelig vekst de siste årene. For eksempel har vi fått 1 000 nye stipendiatstillinger, vi har en reell vekst i sektoren på når det gjelder undervisning og studenter, vi har en reell vekst på FoU på 27 pst., vi har fått 5 200 nye studentboliger osv. Dette er plusstall, dette viser vekst. Og så kan vi alle være enige om at vi gjerne vil ha sterkere vekst, og vi vil ha både sterkere og bedre aktivitet på sektoren. Det skal vi alle ha ambisjoner om, og det er jeg veldig glad for at opposisjonen har ambisjoner om, akkurat som den regjeringa har ambisjoner om det. Da er det igjen 22, eller 21 sekunder – nå 17. Jeg skal komme tilbake til i et senere innlegg og prate om det som jeg synes er særlig viktig framover, og det er i større grad å få til en offensiv når det gjelder voksnes læring – å nå voksne der voksne bor, nå voksne der voksne arbeider, og gi dem en mulighet til å komme inn i opplæringssystemet vårt.
Det blir replikkordskifte. Dannelseselementet er viktig i den norske skolen. Noen ganger får jeg inntrykk av at SV internt ikke har veldig mye fokus på historiefaget, men jeg synes det er veldig bra at SV nå omfavner den nordiske modellen og markedsøkonomien. Jeg synes det er veldig bra. Det var ikke like selvsagt for 20 år siden. Jeg er også veldig glad for at representanten Hagen erklærer lekeskolen død og begravet, som han gjorde i sitt innlegg. Men så til budsjettdebatten om finansinnstillingen. Da sa statsråd Lysbakken at dette er et budsjett som prioriterer de svake. Vi har hørt i et tidligere replikkordskifte at regjeringen fjerner støtten til datautstyr for folk med dysleksi, og SV kommer i dag til å stemme imot å gi ungdom i barnevernets omsorg som studerer, rett til studielån. Det er 90 studenter, og det koster 5 mill. kr. Hvordan passer dette inn i Lysbakkens retorikk

Når det gjelder dysleksi, har vi jo tidligere hatt en replikkveksling om det. Her skjer det en omorganisering, her får skoleeier økt ansvar. Men det er klinkende klart at retten til å få den type hjelpemidler står like sterkt i dag som den har gjort tidligere. Så er sjølsagt regjeringa og vi i den rød-grønne gjengen på Stortinget opptatt av at vi nå skal følge med på hva som skjer, og får det noen uheldige utslag, skal vi sjølsagt rette opp det. Men i utgangspunktet er retten like klar. Jeg har tatt med

situasjoner. Jeg er derfor veldig forundret over at det kun er opposisjonspartiene som har tatt opp og påpekt problematikken omkring yrkesskade. Det er altså slik i dag at stipendiater og ansatte ved studiesteder er ivaretatt av yrkesskadeerstatningsordninger, men studentene er det ikke. Hvilken tenkning er det som ligger bak at SV ikke ville støtte en utredning på dette, slik at også studentene kunne bli ivaretatt? Vi har hatt henvendelser som går på dette. Vi ser ikke at studenter kommer i noen mer problematisk situasjon enn annen ungdom som står ute i arbeidslivet, på den måten. studenter kommer i noen mer problematisk situasjon enn annen ungdom som står ute i arbeidslivet, på den måten. Studenter er jo også sikret hvis de får en yrkesskade i studiesituasjonen. Det betyr ikke at politisk ledelse og vi ikke følger med på det som skjer, men per i dag ser vi ikke behov for en egen utredning

Norge er blant de landene som har gitt flest elever fritak fra prøvene. Antallet som blir holdt utenfor prøvene, har økt fra 3,5 pst i 2006 til 5,9 pst. i 2009. Er det en risiko for at det er dette som viser at vi nå har fått en større sosial utjevning i skolen, som representanten nevnte i sitt innlegg? Og synes ikke SV at det er en urovekkende utvikling vi da ser? Vi la også merke til det fenomenet, eller unntaket, som representanten påpeker. Det er jo fagfolk som fullt og helt styrer gjennomføringen av denne undersøkelsen. undersøkelsen. Vi har ingen grunn til å tro at fagfolk gir Norge eller norsk skole noen særbehandling i forbindelse med gjennomføringen av den undersøkelsen. Så vi stoler fullt og helt på det, og vi har fått bekreftet av fagfolk også at det er gjort en riktig metodisk gjennomføring av den undersøkelsen – altså riktig i den forstand at den er gjennomført på samme måte som i andre land som har den undersøkelsen. Som gammel lærer i historie og

og hvilke prinsipper sosialismen bygger på. Sosialisme er nå i ferd med å bli et eller annet mellom Venstre og Arbeiderpartiet. Det er en spennende ferd. Men det var ikke det jeg skulle spørre om. Venstre og SV har stått sammen og kjempet mange kamper i denne salen for den frie forskningen. Vi leverte et Dokument 8-forslag som regjeringa sa ja til, og som vi fikk igjennom her i Stortinget. Det gjaldt de frie forskningsinstituttene. Jeg må si at jeg er veldig enig i det som høyere utdannings- og forskningsministeren vår har sagt på feltet. Derfor har vi også lagt inn et forslag i salen i dag for å sikre den frie forskningen og de frie forskningsinstituttene. Så mitt spørsmål til Aksel Hagen er om han vil støtte det.

Konsekvensen var brysk tiltale fra læreren, og han måtte viske ut svarene på den ekstra siden med oppgaver han hadde løst. Jeg tror ikke dette bidro til god trivsel eller motiverte denne eleven til videre innsats for læring. Men heldigvis har det skjedd mye i skolen siden OL på Lillehammer. Det har blitt et helt annet fokus på å løfte både de elevene som er faglig svake, og dem som trenger større utfordringer. Det er etter min mening en nøkkelfaktor for å gjøre norsk skole bedre. Lærerens rolle som pedagog og leder i klasserommet er tydeliggjort, og klare krav og forventninger til elevene når det gjelder læringsutbytte er to ting denne regjeringen har hatt mye fokus på. I dag behandles budsjettinnstillingen fra den viktigste komiteen i Stortinget.

men man kan si at det tillegger oss alle et stort ansvar å sikre best mulig avkastning på denne humankapitalen, samtidig som vi velger riktig risikoprofil når vi legger rammevilkårene. Det ligner til forveksling på en av de mange pensjonsreklamene som går på TV om dagen. Jeg skal reflektere litt over fjorårets valgkamp. En av de store sakene i valgkampen var diskusjonen om heldagsskole. Hvor lang skulle skoledagen være, og hva skulle legges inn i skolen? Det var en kvantitativ diskusjon mer enn en kvalitativ diskusjon. Jeg opplever at den debatten nærmest har vært fraværende etter valget, og det er jeg glad for. Nå er fokuset på kvalitet, på innhold, på hvordan vi får flere, gode lærere, bedre undervisning, hvordan vi kan praksisrette skoledagen og intensivere kampen mot frafall.

Det var fra Marit Tingelstad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet i Oppland. Hun inviterte meg til Stortinget. Det ble omvisning, møte i stortingsrestauranten, og jeg reiste hjem igjen med senterungdomssekk på ryggen. Jeg er derfor spesielt glad for at regjeringen nå jobber med en stortingsmelding om nettopp ungdomsskolen, som skal legges fram til våren. våren. Etter Senterpartiets mening ligger mye av løsningen på å redusere bl.a. frafall nettopp på dette trinnet. Vi må i større grad la elevene få en timeplan som er mer tilpasset deres styrker og interesser. Valgfaget fortjener en renessanse i ungdomsskolen. Vi må også se på balansen mellom teori og praksis i de ulike fagene. Vi grupperer ofte fag i to bolker – teoretiske og praktiske men det er et viktig poeng at alle fag skal ha både teoretisk og praktisk innhold, og at det er balansen mellom de to som er det viktige. En mer praktisk ungdomsskole forutsetter at vi har lærere med god kompetanse, som, ikke minst, har tid til å legge opp undervisningen på en variert og spennende måte, og at vi satser på moderne utstyr. For Senterpartiet er det også viktig at meldingen er ambisiøs når det gjelder entreprenørskap og kontakt med arbeidslivet. Det å vite i praksis hva et yrke går ut på, og det å lære å skape sin egen bedrift er kunnskap som forhåpentligvis vil føre til at elevene er bedre rustet til å velge riktig utdanning på videregående. Det å la ungdom prøve seg som gründere er kanskje den billigste og beste formen for næringsutvikling vi kan legge til rette for. Mange skoler jobber godt med dette i dag, og jeg slutter aldri å la meg imponere over Ungt Entreprenørskaps arbeid. Entreprenørskap som metode kan også være en god måte å motivere flere elever på, og dermed redusere frafallet. De rød-grønne i komiteen har gjort budsjettet bedre. Vi mer enn reverserer kuttet på folkehøyskolene og gir dem en rolle I innstillingen ber vi regjeringen om en helhetlig gjennomgang av folkehøyskoletilbudet i Norge. Senterpartiet er en varm tilhenger av at folkehøyskolene skal ha vilkår som muliggjør en videreutvikling av tilbudet, og ser fram til å diskutere denne saken framover. Den desidert viktigste presiseringen vi har gjort på dette fagbudsjettet, er etter min mening øremerkingen av 1 mill. kr til prosjektet Uke Det er et seksualundervisningsopplegg fra Danmark, som nå skal innføres i Norge. Mye tyder på at vi har behov for å styrke seksualundervisningen. Vi ligger høyt på statistikken når det gjelder kjønnssykdommer og er verdensmestre til å ha ubeskyttet sex. Erfaringene fra Uke Sex i Danmark er svært gode både fra elever og lærere, og allerede er over 20 000 elever påmeldt det norske opplegget neste år. Det er viktig å styrke ungdoms evne til å ta selvstendige og informerte valg rundt egen seksualitet. Budsjettet innebærer en bevilgning på 425 mill. kr til økt fullføring i videregående skole. Av dette går 165 mill. kr til Ny GIV-satsingen – tidenes dugnad for økt

trekker med mange relevante aktører og er et arbeid vi må lykkes med. I arbeidet med Ny GIV er det likevel viktig ikke å glemme at den beste innsatsen mot frafall er å sikre at kommuner og fylker har rammer som gjør at de kan satse på skolen. Derfor er det en felles rød-grønn målsetting å fortsette den styrkingen til kommuneøkonomien som vi har bidratt til de siste fem

Det meldes nå fra mange fagskoler i forskjellige deler av landet vårt at de har store utfordringer i forbindelse med omleggingen av økonomien, og at fylkene skal ivareta ansvaret. Fagskolene tilbyr som kjent utdanning fra et halvt år og helt opp til to år. Mye av

eldreomsorg og klima/energi. Senterpartiet støtter omleggingen som ble gjort ved å gi finansieringsansvaret til fylkene. Vi ser og hører selvsagt også tilbakemeldingene på at en del skoler har utfordringer, men det handler like mye om nivået på støtten som hvilket nivå som har ansvaret for å utbetale den. Det er en utfordring som Senterpartiet vil følge tett framover. Men nei, Senterpartiet kommer ikke til å gå inn for en statliggjøring av finansieringen til fagskoler.
Jeg synes at representanten Rindal holdt et veldig godt innlegg, og så fikk vi jo også et lite innblikk i hvordan vervingen av nye medlemmer til Senterungdommen foregår. Senterpartiet er jo kanskje først og fremst det partiet Senterpartiet er jo kanskje først og fremst det partiet som holder sin hånd over dagens kommunestruktur og har en stor forkjærlighet for spesielt de aller minste kommunene. Nå har kunnskapsminister Kristin Halvorsen her i Stortinget tidligere uttalt at hun er bekymret for de små kommunene som skoleeiere – kanskje ikke i forhold til budsjetter og økonomi, men i forhold til kompetanse.

i en del småkommuner når det gjelder kompetanse på skole, men det handler i veldig stor grad like mye om den omorganiseringen mange kommuner har gjort, både store og små, i forhold til å innføre tonivåmodell og fjerne skolesjefene. Det er Senterpartiet helt enig i at har vært et stort feilskjær i Så er det også sånn at veldig mange små kommuner klarer å finne mange gode lokale løsninger, f.eks. interkommunale løsninger, for å ivareta kompetansen og videreutvikle skolen. Jeg har selv vært kommunepolitiker i Dovre og vet at regioner definerer felles kompetansebehov og lager planer for å løse de utfordringene

Både SV og Arbeiderpartiet har understreket at det er deres vei mot heldagsskolen. Kristelig Folkeparti mener at det er læreren som er den viktigste ressursen, og vi vil derfor bruke de store pengene annerledes enn det dagens regjering gjør: på økt lærertetthet, mer ambisiøs satsing på etter- og videreutdanning, igangsetting av obligatorisk mentorordning og en bedre og mer praktisk rettet ungdomsskole, som representanten Hva er årsaken til at Senterpartiet vil bruke 1,3 mrd. kr på flere timer istedenfor på det som innlegget til representanten handlet om? Det er viktig hva vi velger å bruke penger på i skolen. Senterpartiet er ikke katolske når det gjelder ikke å bevilge penger til flere timer.

Med dagens PISA-resultater er vi tilbake til start med det som PISA måler. Men det er viktig for Kristelig Folkeparti å understreke at PISA bare måler en liten del av det oppdraget norsk skole har. Jeg er glad for at vi kan se en fremgang i norske elevers resultater, og etter Kristelig Folkepartis mening skal lærerne ha all honnør for den jobben de har gjort. Likevel vil Kristelig Folkeparti si at vi med hensyn til det som PISA måler, ikke er tilfreds med bare å være tilbake til start. Med regjeringens budsjett fortsetter man å bruke en medisin som man ikke aner konsekvensene av. Ennå har vi ikke sett resultatene av regjeringens gigantøkning av Dette er et tiltak som koster mye penger. Regjeringen har til dags dato ikke klart å legge fram forskningsresultater som viser at det virker. PISA viser også at kjønnsforskjellene er store, og at timetallsutvidelsen ikke vil kunne redusere dette. Regjeringspartiene har kritisert Kristelig Folkeparti for å kutte i timetallet i skolen. Timetallet er regjeringens hellige ku,

Vi vil ha økt lærertetthet. Vi vil ha en mer ambisiøs satsing på etter- og videreutdanning. Vi vil igangsette en obligatorisk mentorordning for nyutdannede lærere. Vi vil ha en bedre og mer praksisrettet ungdomsskole. Regjeringen vil ha flere timer. På mandag kunne vi lese i Aftenposten at det heller ikke neste år ser ut til å bli flere lærere i skolen. Statssekretæren i departementet hadde imidlertid en avslappet holdning til det hele. Hun synes ikke tallene er dramatiske: «Det viktigste er å stabilisere lærertettheten og unngå videre kutt, men gjerne også få til en viss vekst.» «Ambisiøst» er vel ikke et dekkende ord for regjeringens politikk i så måte. Regjeringen har varslet at de vil komme med en stortingsmelding om ungdomsskolen. Det har Kristelig Folkeparti etterlyst lenge, og vi ser fram til det. Men vi har likevel merket oss at det ikke er noe i dette budsjettet som tilsier at det vil følge penger med denne meldingen. Det eneste i budsjettet som er rettet inn mot ungdomsskolen, må være arbeidslivsfaget. Svakheten ved dette faget er at det ikke skal være for alle, og dermed løser det ikke mangelen på praktiske fag i skolen og heller ikke den teoritunge undervisningen. Jeg mener at alle vil kunne ha nytte av praktiske fag i skolen, uansett evner og anlegg. Den store søknadsmengden fra skolene viser at det er et enormt behov for en mer praktisk ungdomsskole. Jeg mener det er behov for en langt sterkere satsing på kvalitetsutvikling i ungdomsskolen. Derfor foreslo Kristelig Folkeparti i sitt alternative budsjett å bevilge 75 mill. kr til kvalitetsutvikling i ungdomsskolen. Regjeringen har innført en veiledningsordning som kun enkelte nyutdannede lærere får benyttet seg av. Kristelig Folkeparti mener at den frivillige ordningen er altfor lite forpliktende og ambisiøs med hensyn til kompetanse og struktur. Det er dessuten en stor svakhet at lærerorganisasjonene ikke er tatt med på råd her. Jeg mener det er avgjørende for å beholde lærere i skolen at de gis en best mulig start på jobbkarrieren. Det er en meget krevende oppgave å fungere godt som lærer – en utfordring som utvilsomt har økt. Vi må unngå det praksissjokket mange nyutdannede lærere opplever når de møter virkeligheten i klasserommet. For å styrke koblingen mellom teori og praksis kommer vi ikke utenom strukturelle grep. Det er behov for bedre praksis, men det er også behov for mer praksis. Kristelig Folkeparti mener en obligatorisk mentorordning i form av et introduksjonsår ville være Derfor ber vi i dag regjeringen komme tilbake til Stortinget med et opplegg for en obligatorisk mentorordning, i form av et introduksjonsår for nyutdannede lærere. Også i dette budsjettet foreslår regjeringen å opprette en rekke nye studieplasser. Det at flere tar høyere utdanning er positivt så lenge kvaliteten på utdanningen er god. Vi mener imidlertid at det er behov for sterkere ambisjoner rundt temaet kvalitet i utdanningen parallelt med opptrapping av flere studieplasser. Nå er det avgjørende å styrke undervisningsdelen av sektoren. Vi trenger å styrke fagmiljøene, øke veiledningen gjennom studiet, tilby pedagogisk kompetanseheving til de vitenskaplig ansatte samt sikre relevant praksis. Et viktig tiltak for å øke kvaliteten på høyere utdanning er sterkere fokus på veiledning gjennom hele studiet. God veiledning hjelper den enkelte student til å utvikle seg faglig og til å mestre og fullføre studiet, samtidig som det forebygger at studentene blir forsinket i studiene. Videre mener jeg at god praksis og samarbeid med arbeidslivet øker relevansen i utdanningen, noe som er en viktig kvalitetsindikator. Dette er spesielt viktig i de korte profesjonsutdanningene. Det er bakgrunnen for at Kristelig Folkeparti i sitt alternative budsjett foreslo å bevilge 107,5 mill. kr til en bedre veiledning i studiet og 107,5 mill. kr til bedre praksis.

Derfor har Kristelig Folkeparti styrket forskningen gjennom sitt budsjett. Et av temaene som få har kommet inn på til nå, er kirkepolitikken. Rapporten «Kirkekontroll 2009/2010» fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om tilstand og sikring av kirkebygg påpeker bl.a. at det er for dårlig brann- og innbruddssikring i Jeg er særlig bekymret for dårlig sikring av fredete og verneverdige kirker. Mange av disse har også inventar med store kulturminneverdier. Kommunene har det grunnleggende økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av kirker. Ut fra statens ansvar for kulturminner med nasjonale verdier er det likevel nødvendig med statlige bidrag for et nasjonalt løft i sikringsarbeidet av Vi ber derfor regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 legge fram en helhetlig plan for statlige tiltak for brann- og innbruddssikring av fredete og verneverdige kirker. Det er også andre store behov i Den norske kirke. Det er også behov for flere prestestillinger. Kristelig Folkeparti er bekymret for at det meldes om Vi snakker mye om frafall i denne komiteen, men det er også en ganske stor andel messefall i samfunnet vårt. Flere opplever at gudstjenester i den lokale kirken begynner å bli en sjeldenhet. Vi trenger flere prestestillinger og en større innsats for å få flere gudstjenester og for å få beholde en lokal kirke der man bor. Kristelig Folkeparti mener også at vi trenger en raskere opptrapping av trosopplæringsreformen. Det er stor frustrasjon i de menighetene som ikke har fått tilgang, men som har sittet klar med planer i mange år, og som ønsker å kunne være med og tilby dette til sine barn og unge. Det er også stor frustrasjon over at man til tider har brukt Kirkens egne midler for å

men det er bekymringsfullt med meldingene om at flere blir fritatt fra PISA-testene. Jeg er redd for at undervisningen også i stor grad blir rettet inn mot å gjøre det godt i PISA, men skolen har en mye bredere oppgave enn det. Vi må ikke glemme at selv om PISA er et flott landemerke, så er det ganske skjevt. PISA er en indikator på utdannelsesmålet, men den forteller ikke alt om kvaliteten i skolen. Det er ikke tilstrekkelig å bruke PISA som eneste måleenhet på om vi har en god eller en dårlig skole. Jeg vil så få ta opp våre forslag og de forslag som Kristelig Folkeparti er medforslagsstiller til, og som ikke er tatt opp. Representanten Dagrun Eriksen har tatt opp de forslagene hun refererte til. Det blir replikkordskifte.

I tillegg vet vi at skolen ber om ro til å gjennomføre Kunnskapsløftet. De ber om at det ikke blir gjennomført dramatiske endringer. Hvis vi skulle fulgt Kristelig Folkepartis ønske om plutselig å redusere antallet undervisningstimer betraktelig, vil det kunne føre til uro og misnøye. Hvorfor vil Kristelig Folkeparti kutte i de viktigste fagene og motarbeide det som skolen selv synes er viktig, nemlig ro i

Hvis vi hadde kuttet de timene, ville vi også ha fått flere lærere. Det opplever jeg er et stort behov ute i skolen. Innsatsen nå har gått på å fylle opp med lærere på grunn av de økte timetallene, i stedet for at vi får flere lærere inn i de timene vi har. Jeg er ikke bekymret for den skolen som Kristelig Folkeparti vil kjempe for, med færre timer, flere lærere og bedre lærere. Det vil gi

Norge har 4,5 millioner innbyggere og et svært eksportrettet næringsliv. Vi deltar i markeder over hele verden. Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er enige om at det er viktig å legge til rette for at norske studenter skal reise ut av landet. Det kommer også fram i begges budsjetter. Men Kristelig Folkeparti tar altså til orde for at det skal bli vanskeligere for studenter fra f.eks. Sørøst-Asia å komme til Norge og studere. studere. Når man er opptatt av kvalitet i den høyere utdanningssektoren, er mitt spørsmål til Kristelig Folkeparti: Dersom det nå kommer atskillig færre studenter fra Sørøst-Asia til Norge, vil det svekke eller øke kvaliteten i

Det kan være et argument for å innføre studieavgift, men hovedargumentet for Kristelig Folkeparti er at det er et budsjettspørsmål. Vi vil ha gratis studier for alle norske studenter, men vi ser det ikke som vår oppgave å ha gratis studier for hele verdens studenter. Arbeidslivsfaget er en nyvinning i norsk skole, og forsøksordningen ble fra i høst utvidet. Per nå er det 135 skoler i 81 kommuner som er

Og etter Senterpartiets syn er arbeidslivsfaget ett av flere nødvendige tiltak for å få en bedre skole. Faget sørger for bedre kontakt med arbeidslivet og en mer praktisk skoledag for mange. Det er mål for ungdomsskolen jeg har opplevd at Kristelig Folkeparti stiller seg bak. Derfor er det forunderlig å registrere Kristelig Folkepartis motstand mot et fag som inneholder noen av løsningene på de utfordringene i norsk skole som Kristelig Folkeparti selv er opptatt av.

Kristelig Folkeparti tror at også de som er såkalt teoristerke, har godt av både praktiske utfordringer og praktiske fag i norsk skole.

ivrer for at barn skal være kortest mulig i barnehage og helst få kontantstøtte, og kortest mulig i skolen, altså ha færre timer. Jeg frykter konsekvensene, både for Sørlandet og for landet for øvrig. Deler Eriksen mitt syn på at dette er en fryktelig gammeldags politikk, som får negative konsekvenser for dem som kanskje aller mest trenger kanskje aller mest trenger en god oppfølging i både barnehage og skole? Jeg er litt forundret over den inngangsporten, for hvis man trekker det i sin ytterste konsekvens, betyr det at samvær med foreldre ikke er bra. Det håper jeg representanten ikke mente. ble innført, var det én ting Kristelig Folkeparti var veldig opptatt av å sjekke, og det var om barnevernsbarn brukte barnehagen mindre. Det gjorde de ikke. Det var en evaluering lagt fram av Karita Bekkemellem, daværende statsråd,

da PISA viste dårlige resultater for Norge, og den store debatten gikk på om hvorvidt PISA betydde noe eller ikke, og til nå, når PISA viser at vi er på riktig vei, og alle vil eie resultatene av den. Og det mener jeg er interessant. Først: PISA viser oss at hvis vi satser på noe, og hvis lærerne våre er motiverte til å gjøre en jobb for å få det til, så klarer lærerne våre å gjøre det. Det har vært mange interessante undersøkelser i det siste. En av dem som jeg syntes var påfallende, men likevel interessant, var den som viste at ufaglærte lærere fikk bedre resultat. Da må man ha en del kunnskap om hva «ufaglært» er. Ufaglærte lærere er de som kan faget, men som ikke er faglærte lærere. Det betyr at de ikke har utdannelse i pedagogikk, men de har i de aller fleste tilfeller god utdanning i det faget de underviser i. Hva sier det oss om skolepolitikken? Jo, det sier oss at det å kunne faget man underviser i, er veldig viktig, og det blir viktigere og viktigere dess mer man kommer opp i gradene. Hvis man skal lære en seksåring å lese, må man også kunne pedagogikk. Man må selvfølgelig ha kunnskap om hvordan unger lærer, for da klarer man å tilpasse undervisningen til hver enkelt. Men det å kunne faget sitt er veldig viktig. Det andre som jeg kanskje tror at vi ikke har sett på i forhold til den undersøkelsen, handler om at de fleste som jobber som ufaglærte lærere, og som da ikke får faste jobber, jobber, oftest er nyutdannede. De har fersk kunnskap, de har fersk kompetanse i faget sitt, de brenner fortsatt for faget sitt og de syns at de valgte det morsomste faget på skolen å ta høyere utdanning og universitetsutdanning i. Denne ferske kunnskapen og denne ferske gløden for faget er mye verdt. Det akkurat disse punktene som er årsaken til prioriteringene på Venstres alternative statsbudsjett. Vi prioriterer mer kompetanse til lærerne våre. Vi vil ha flere gode lærere inn i skolen, flere med den gløden som nyutdannede lærere kommer med inn i skolen, flere som har den gløden som de ufaglærte når de kommer rett fra faget sitt. Vi ønsker også flere som har fordypning i de fagene de faktisk underviser i. Jeg oppfordrer hele komiteen, og også statsrådene, til å gå inn på bloggen til Utdanningsforbundet og debatten om etter- og videreutdanning, for der er det tankevekkende innlegg fra mange lærere. En lærer som jeg leste om nå før helgen, skrev at han underviste i engelsk på ungdomsskolenivå. Han hadde ingen utdannelse i faget, hadde et veldig stort ønske om å ta etterutdanning for å få på plass studievekttallene sine i engelsk, som han skulle undervise i. Hvilket svar får han da? Nei, skolen og kommunen vil ikke prioritere det. De ønsker å prioritere ting som gagner flere. De ønsker å bruke penger på noe flere. Jeg håper spesielt kunnskapsministeren hører akkurat det, for det handler om kommuner som ikke helt skjønner hva som gagner mange. Det er ingenting som gagner så mange som lærere som kan faget sitt. Det er ingenting som gagner så mange som det å bruke penger på lærere som ønsker å kunne Jeg tror mange kommuner ikke har nok forståelse for hvor viktig dette er, derfor burde vi fra statlig side ha bidratt mye mer. Venstres alternative statsbudsjett handler om å bygge opp om kunnskapssamfunnet, det handler om å gjøre de store grepene på fattigdom, på miljø, på det å skape arbeidsplasser, på små og mellomstore bedrifter. Men først og fremst er den store kunnskapssamfunnet. Kunnskapssamfunnet handler om å bygge mennesker og bygge samfunn ut fra de forutsetninger menneskene har. Det handler om å bygge kreativitet, det handler om å ha en skole som finner ut hva hver enkelt elev er god til. Knyttet til finansdebatten var det en debatt i media for en tid siden om at vi utdannet folk for mye. Den debatten har vi hatt i hundrevis av år, og helt sikkert også under den store skolepolitikeren i Venstre, Johannes Steen, som for 130 år siden innførte en felles skole.

Men det er viktig å ha en skole som også tar vare på kreativiteten og prøver å finne det gode hos hver enkelt elev. Jeg hørte her om dagen en historie om en lærer som gikk rundt i klassen mens alle ungene holdt på å tegne, og som stoppet ved ei lita jente som tegnet veldig ivrig, og spurte hva hun holdt på å tegne. Nei, hun tegnet Gud. Så sa læreren: Men det er ingen som vet hvordan Gud ser ut. Da sa jenta: Bare vent, de vet det snart. det snart. Det å få fram elever som både har en kreativitet, en kunnskap, og sjøltillit nok til å stå på for de tingene man faktisk vil prestere – det er viktig å få til i norsk skole. Så har jeg lyst til å si at etter- og videreutdanning alltid kommer til å være det viktigste for Venstre, og det er vi mest stolte over. Vi gikk inn med to stortingsrepresentanter i Bondevik II-regjeringen og sto på for én ting i Kunnskapsløftet, nemlig etter- og videreutdanningsgrepet. Så vi føler at vi skal kunne prioritere dette også framover. Det kommer Venstre alltid til å gjøre. Men likevel er det viktig å satse på hele utdanningsløpet. Det er derfor vi har lagt inn hele 2,2 mrd. kr på feltet, pluss at vi har ønsket at Forskningsfondet skal økes med 73 mrd. kr. Dette har det vært viktig å gjøre nå når vi ser at det blir kutt i sektoren på grunn av renteforholdene, noe som gjør at Forskningsfondet avgir mindre. Men det er også viktig å satse på at studentene skal ha muligheten til å være studenter på heltid. Vi legger derfor inn elleve måneders studiestøtte og full indeksregulering av studiestøtten. Vi har også lagt inn 500 nye stipendiater og 100 nye post doc.-stillinger. Vi har lagt inn penger til rådgiving, vi ønsker en leksehjelp som ikke er så rigid og styrt som den regjeringa har lagt opp til. Vi ønsker også å ha faglærte inn i leksehjelpen, og ønsker dermed å lage det til en støtteordning som organiseres på annen måte. Vi ønsker flere spesialpedagoger inn i skolen, og vi ønsker grep for å støtte miljøteknologien. Men det er også sånn at alt det andre i budsjettet – ikke bare utdanningsbudsjettet – er med og støtter opp under tankegangen knyttet til vårt alternative utdanningsbudsjett. For det å hjelpe med tiltak spesielt knyttet til fattige unger, det å gi dem basisen og tryggheten hjemme, er de grepene vi gjør på sosialhjelp. De andre store grepene i vår fattigdomspakke er viktig for å gi alle unger en mest mulig lik start når skoledagen begynner. Det er også derfor vi ønsker at lærere skal få lov til å være lærere. Jeg vet ikke om Stortinget har sett Norvegia-reklamen med den læreren som sitter med frustrerte tenåringer foran seg – det er et fantastisk bilde på hvordan det er å være lærer. Men noen av de tingene mener jeg den læreren ikke skulle ha tatt opp. Noe av det er det ikke hans eller hennes jobb å fikse. av det er det faktisk andre funksjoner på en skole som må ordne, for det er ikke sånn at lærer skal være gud og mor og bestemor og tante – og alt samtidig. Læreren skal få lov til å være lærer. Men da må vi sørge for at det er andre funksjoner der. Derfor er en av de store satsingene våre helsesøstertjenesten – å bygge opp en helsesøstertjeneste som gjør det mulig for læreren å si når en elev sliter: Det er kanskje ikke jeg den beste til å fikse, kanskje du skal gå bort til helsesøster og snakke med henne om akkurat de problemstillingene. Det blir replikkordskifte.

Men det eg lurer på, er om det er ideologisk grunngitt når Venstre no vil kutta i ei så prinsipiell ordning som gratis læremiddel. Eg vil minna om at det er ikkje tilfeldig at denne ordninga framleis er inne i budsjettet – det er ikkje ei forgløyming heller. Det er framleis slik at det er store sosiale skiljelinjer i det norske samfunnet. Og eg vil tru at spesielt Venstre er einige med Arbeidarpartiet i at dette ikkje må førast vidare inn i skulen vår. Så har Trine Skei Grande spurt elevorganisasjonane om dei vil ha tilbake den behovsprøvde ordninga som har vore før, som betydde tusenvis av kroner til kvar enkelt elev. Det er vårt sosiale engasjement som gjør at vi For det handler om at her går vi inn med brede ordninger der vi ser at læremidler faktisk er et stort løft – det er et stort løft for mange familier å kunne betale alle læremidlene. Med den ordningen vi har nå, hjelper vi alle litt, men ikke dem som virkelig trenger det. Vi ønsker en stipendordning, for da har vi en mye mer målrettet ordning, som når de familiene som sliter. Så får noen av de familiene som ikke merker om det kommer en ekstra regning i posten, lov til å betale sjøl. Presidenten vil minne Trine Skei Grande om at hun ikke tok opp forslag i sitt innlegg, men hun har anledning til det nå. Det gjør jeg gjerne og med stor glede. Da har representanten Trine Skei Grande tatt opp Venstres forslag. Takk for et godt innlegg. Det

Det Venstre her særlig gjør, er å ta vekk arbeidsgiveravgiften. Det vil si at deler av Norge, f.eks. Finnmark, ikke får noen glede av Venstres forslag. Derimot får de problemer med at der vi går inn med tilskudd og gir dette med lærlingplasser ekstra fokus, vil Venstre trekke seg ut ved bare å ta i bruk et slikt generelt virkemiddel. Hvorfor gjør Venstre dette? Vi gjør dette fordi dette er det vi har fått beskjed om vil få mest virkning. Vi legger faktisk inn mer penger forslag enn regjeringen gjør i sitt. Det vi ser da, er at det hadde vært et grep som hadde vært mye mer virkningsfullt på de områdene der vi ser at vi har kjempestore problemer. Vi tror mer på de generelle grepene med hensyn til å bruke avgiftspolitikken her enn i forhold til andre felter. Da er det ikke flere replikanter – Det er én til. Vær så god Presidenten minner om at det er veldig greit å trykke på knappen for å anmode om replikk. Det skal vi hugse, president! Kunnskap er ein føresetnad for at Noreg skal lukkast i framtida, og regjeringa har derfor dei siste åra medverka til å opprette mange tusen nye studieplassar over heile landet. Vi arbeider også målretta for å heve kvaliteten i høgare utdanning. I 2011 legg regjeringa opp til 2 200 nye studieplassar. Dette er i tråd med den demografiske utviklinga og tilbakemeldingar frå universitet og høgskular om kva sektoren kan greie å handtere. Venstre overbyr og legg på ytterlegare 2 000 plassar. Mitt spørsmål vert då til Skei Grande: Kvar skal desse plassane opprettast, og korleis vil Venstre sikre at kvaliteten vert god? Eg synest dette luktar kvantitet og ikkje kvalitet. Vi snakker nok med ulike folk i sektoren. Vi er også rundt og snakker med de ulike universitetene og høyskolene. Det de sier, er at de antakeligvis, med dette budsjettet, må kutte i antall studieplasser. Det var beskjeden vi fikk fra Stavanger i forrige uke, at fordi budsjettet er så stramt på fordi budsjettet er så stramt på basisbevilgninger, fordi det er så stramt på andre vis, vil dette budsjettet faktisk føre til kutt. Det er det vi har tatt inn over oss. Det er derfor vi har foretatt det løftet vi har i vårt budsjett. Replikkordskiftet er omme. PISA-resultatene forteller ikke hele sannheten om norsk skole. Det gjør det ikke når pilen går opp, og ikke når pilen går ned. Men det har

når de leverer sin rapport. For det betyr at vi gjør mye som er riktig, og at vi må holde fast ved det. Men det har også stor betydning fordi det setter en ny dagsorden for skoledebatten. I ti år har folk lettvint kastet rundt seg med å snakke skolen ned – å snakke om hvor dårlig det var, om hvor mange det var som lærte så lite, og man gjorde lærere, elever og foreldre misstemte hver eneste dag. Det må det nå være en slutt på. Det foregår mye bra arbeid – det gjorde det før disse PISA-resultatene kom, det kommer det til å gjøre etter disse PISA-resultatene er et faktum – og det som gjelder nå, er at vi tar med oss et positivt og optimistisk bilde av det arbeidet som skjer rundt i norsk skole hver eneste dag. dag. De som først og fremst har gjort denne jobben, er lærere, elever og alle de foreldrene som er interessert i skolen. Men heldigvis har de også i stor grad hatt stor politisk bredde bak seg i de viktigste grepene som er tatt. Jeg ser det som min viktigste jobb å være den viktigste allierte for både å holde fast og forandre underveis. Så hvis det er noen som nå våger seg på Så hvis det er noen som nå våger seg på å svartmale og deprimere norske lærere, skal de få med meg å bestille! For det er sånn med lærere som det er med elever: De fleste blir litt bedre av å få vite at nå holder du på med noe som er bra, og det virker. Det må vi ta utgangspunkt i. Hva er da dette gode arbeidet som vi skal holde fast ved? Punkt Suksesskriteriet nummer én i skolen er kunnskapsrike, gode lærere – lærere som har oversikt over fag, lærere som har oversikt over elevene, som respekterer elevene, som får respekt tilbake, og som er tydelige ledere i klassen. Derfor er det så viktig det vi setter inn når det gjelder lærernes kompetanse. Punkt 2: Ledelse er et nøkkelord ledelse i klassen, ledelse på skolen, altså at rektor er en god leder, derfor har vi rektorutdanning, ledelse fra kommunen til skolene, tydelig ledelse fra departementet og Utdanningsdirektoratet. Punkt 3 er tidlig innsats. Tidlig innsats handler om hvordan man jobber når man oppdager et problem. Det problemet kan inntreffe hos en seksåring eller hos en Det handler om at man ikke venter og ser. Det handler om at man raskt er på plass med tiltak, og at man klarer å ha en bredde over dem. Det er f.eks. noe av det vi vet Finland får til. Punkt 4 er å holde fast ved det som Vi kommer ikke til å kaste læreplanene opp i lufta og la dem dale ned på lærerne på nytt, men vi kommer til å justere dem og revidere dem når vi ser det nødvendig. Men vi ser at vi nå har funnet en form når det gjelder grunnleggende ferdigheter og kompetansemål som gjør at man har mer fokus på resultater. Så skal vi gi bedre vurderinger og tilbakemeldinger. Vi skal bruke tiden bedre. Vi skal jobbe med et godt læringsmiljø. Det har stor betydning for læring. Men vi har også noen utfordringer som som jeg mener vi må bestrebe oss mer på å løse, for det første forskjellen mellom jenter og gutter. Den er internasjonal. Alle land i OECD viser det samme bildet. Jeg kommer til å ta initiativ overfor OECD for å finne ut mer om dette, for noen land er bedre enn andre også her. Vi vil ha flere elever som leser bedre. Vi har kraftige forbedringer når det gjelder dårlige lesere, men det er også sånn at de som er flinke lesere i utgangspunktet, strekker seg for lite. Vi må få til tilpasset opplæring til alle. For det tredje: Vi må ha en mer praktisk, relevant og motiverende ungdomsskole, og det jobber vi med nå. Stortinget får en sak om dette til våren. Det dreier seg om å få mer varierte arbeidsformer, å kunne bruke mer av bredden i kompetansen, om at flere skal få oppleve mestring. Det dreier seg også om praktiske innganger til teori – ikke mindre teori, ikke at vi skal bakke i de ambisjonene vi har, men at vi må jobbe på flere måter. Så er en hovedsatsing i dette budsjettet gjennomføringen i videregående opplæring. Tiden er ute – Det blir replikkordskifte. Statsråden var så streng da hun at sa at vi måtte være positive, så jeg tør

samfunnet. Matematikk og naturfag er særlig viktige i denne sammenhengen. Vi ligger der på et gjennomsnittlig OECD-nivå. Jeg tror vi er enige om at vi ikke ønsker å få et velferds- og velstandsnivå i Norge som er

varierer arbeidsmetodene sine mindre enn det som er gjennomsnittet i OECD. En vanlig matematikktime er ofte sånn at læreren går gjennom oppgavene på tavla, elevene regner oppgaver hver for seg, og læreren går rundt og hjelper. En mye større grad av felles refleksjon rundt matematikk er noe som forskerne påpeker at vi har behov for. Da ender vi også med kompetente lærere, mer lærerkompetanse og mer tydelig veiledning om hvordan man skal variere undervisningen. Her har vi en jobb å gjøre. Jeg er helt enig med

leser fortsatt så dårlig at de ikke vil greie å ta videregående utdanning. Jeg vet ikke helt hvor Elisabeth Aspaker vil, men jeg vil dit at nå får PISA-resultatene gi informasjon om norsk skole, om den delen som PISA måler, sammen med andre internasjonale undersøkelser og sammen med de undersøkelsene vi gjør selv. Men vi har heldigvis en skole med et bredt samfunnsmandat, og derfor var det veldig urimelig at

og vi vet at det å lese godt er en nøkkelfaktor for å lykkes i videregående opplæring. Det er klart vi har masse å jobbe med. Men det som er så bra, er at vi ser resultater. Vi har færre dårlige lesere nå enn i 2006 – en betydelig nedgang – og også færre enn i 2000. Og så har vi også utfordringer på

Det ble også uttalt på pressekonferansen at man var svært fornøyd, at det var en bred politisk samling rundt formålsparagrafen, og at den kanskje også er med og gir et helhetlig oppdrag. Men da blir jeg også litt forundret, for flere ganger har vi nå opplevd at når regjeringen bruker formålsparagrafen, bruker de den bare stykkevis og delt. tar ut deler av oppdraget og lager det veldig fragmentert. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvordan vil hun jobbe nå for at formålsparagrafen blir et helhetlig verktøy, og hvordan kan den brukes ute i skolen for å utvide det samfunnsoppdraget som skolen faktisk har? Vi har en utrolig flott formålsparagraf. Den er til og med vakker. Så når jeg leser den rundt omkring, tror folk at jeg setter i gang med å lese dikt. dikt. Jeg prøvde å få opp et lysark med hele formålsparagrafen, men da ble det fryktelig smått. Derfor tok jeg den første setningen – og den er nydelig i seg selv. Jeg tror ikke at vi kommer til å få hele Norge til å pugge hver setning i formålsparagrafen. Jeg tror hovedbeskjeden er det viktigste, nemlig at skolen har et bredt samfunnsmandat, som skal forberede verden. Det er avgjørende viktig, for det handler om at alle må møte en skole der de kan mestre noe. Det er et utgangspunkt for å stå tryggere og for å respektere andre. Det handler om at vi må ha en skole med et læringsmiljø som er slik at ingen elever gruer seg til å gå på skolen og bli plaget og pint. Det taper de som mobber på, og det taper de som mobbes på. Det dreier seg om å invitere elevene til refleksjon. Innenfor taletiden, ja! Jeg var veldig disiplinert nå, president. Jeg jobber med ja! Jeg var veldig disiplinert nå, president. Jeg jobber med saken! Statsråden er god når hun er i det poetiske hjørnet. Venstre er på et spor. Ifølge statssekretæren er vi på et veldig ensidig spor. Jeg skal prøve å videreutvikle det, for vi kommer aldri til å gi oss på akkurat det sporet. Det handler om etter- og videreutdanning av lærere. Statsråden har vært veldig positiv til å gjøre grep på feltet, og har også uttrykt positivitet til det i flere replikkvekslinger. Nå skal jeg spørre veldig konkret om én del: Er statsråden villig til å øke den statlige andelen av betaling for etter- og videreutdanning av lærere? Det er en av de tingene jeg ser på, fordi vi har et godt opplegg når det gjelder videreutdanning. Vi har nå målrettet de statlige kronene og dette spleiselaget med kommunene og lærerne mot at man skal bygge opp formell kompetanse. Vi ser, som representanten var inne på i sitt innlegg, at det er veldig stor forskjell på hvordan kommunene faktisk benytter seg av dette. Noen sier at det handler om økonomi. Det er det en ærlig sak at kommunene gjør. Men det handler ikke bare om det. Det handler også om at vi må få et mer desentralisert tilbud, tettere på der lærerne er – dette er voksne folk, de har familieforpliktelser. Det er en utfordring. Så vi jobber nå med å se på hvordan vi skal tilrettelegge dette, slik at det er lettere for lærerne å benytte seg av det. Vi har en avtale med organisasjonene om at vi skal ha denne utformingen i forhold til formell kompetanse nå, og at det er et spleiselag. Men jeg skal se på fordelingen mellom kommuner og stat. Jeg er

Om svartmalingen har vært så totalt ødeleggende og grusom de siste ti årene som statsråden faktisk sa, er det merkelig at man de siste årene, til tross for dette, har hatt en så positiv endring. Men igjen, som det også har vært nevnt i tidligere replikkordvekslinger: 21 pst. av guttene kan ikke lese og skrive skikkelig. Støtten til dyslektikere er blitt kuttet. Vi ser at kompetansen når det kommer til lese- og skrivevansker ikke er implementert i lærerutdanningen som nå igangsettes. Hvordan passer dette inn i strategien for å få enda bedre resultater videre framover? Jeg er glad for å få disse spørsmålene, for jeg mener ikke at vi nå bare skal fly rundt og si god jul til norsk skole. Jeg mener at de beste allierte for norsk skole er de som både trekker fram det som er positivt og de områdene der vi fortsatt har utfordringer. Jeg er glad for å få denne anledningen til å si at jeg ikke må bli trukket så langt. For det handler nettopp om at vi må ha en nyansert debatt. Vi har mange utfordringer. Vi kan ikke gi oss. Man kan aldri gi seg. Vi kommer aldri i mål én gang for alle når det gjelder skolepolitikken, for det handler om 600 000 elever. Så til dyslektikerne. Det som er veldig viktig for alle å vite, er at det har ikke skjedd noen endringer i retten til læremidler for dem som har lesevansker. Den endringen som har skjedd, gjelder hvem som betaler for det de trenger av læremidler. Den endringen innebærer at nå er det kommunen som skal Så retten til læremidler står fast. Det har ikke skjedd noen endring når det gjelder det. Statsråden understreket på nytt i sitt innlegg at gode lærere er suksessfaktor nr. 1. I debatter med Høyre der vi har foreslått å omdisponere penger fra frukt og grønt og leksehjelp til mer etter- og videreutdanning av lærere, har statsråden harselert og sagt at det var småpenger, man fikk ikke mange lærere for de kronene. Men det er altså snakk om 241 mill. kr til frukt og grønt. Det er 462 mill. kr til leksehjelp, altså ca. 700 mill. kr. Er det bare småpenger? I så fall: Hvordan vil da statsråden karakterisere 400 mill. kr, som er regjeringens satsing på etter- og videreutdanning? Er det bare lommerusk, eller hva er det

Jeg må si at jeg gleder meg til valgkampen, når Høyre skal rundt til Skole-Norge og si at det er disse eplene og bananene som er det store problemet. For når jeg snakker med ungdomsskoleelevene, er de så utrolig opptatt av at man skal spise sunt og drive med fysisk aktivitet, og at det er sammenheng mellom læring og ernæring. At Høyre da skal forklare at de skal på epleslang for å betale for lærerne, gleder jeg meg til. For det er en det er en viktig bit å sørge for at vi har hele, sunne mennesker i norsk skole. Jeg minner om at i Finland har man skolemat – varm skolemat. Ja. Og det blir ikke noe lengre taletid av den grunn! Med det er replikkordskiftet avsluttet. grunn! Med det er replikkordskiftet avsluttet. Eg trur det er viktig i denne debatten å peika på at i løpet av eit par tiår har altså Noreg gjennom ei systematisk satsing på forsking skapt nye næringar, som olje og gass, havbruk og IKT. Forskinga har òg gjort det mogleg å snu store utfordringar for landet til openberre fortrinn: store utfordringar for landet til openberre fortrinn: Store avstandar og spreidd busetnad har gjort Noreg leiande innan bl.a. satellittkommunikasjon og telemedisin. Forskinga er ein del av kunnskapspolitikken vår, og det er menneske som skal driva kunnskapssamfunnet framover. Difor føreslår regjeringa å oppretta 2 200 nye studieplassar alt på si side vil auka løyvingane til drift av universiteta og høgskulane, men utan å vera i nærleiken av å målretta midlane. Sidan Kvalitetsreforma og nye studieplassar faktisk alt er fullfinansierte, er dette lite effektiv bruk av fellesskapet sine midlar. Med eitt unntak har også vår men med pengane har det alltid følgt krav om ei tydelegare leiing, arbeidsdeling, målretting og samarbeid. Opposisjonen sitt bidrag til debatten – om korleis lyfta kvaliteten på forskinga, som er den viktigaste utfordringa i sektoren – har altså så langt avgrensa seg til berre å ropa om meir pengar og faktisk nedprioritera styringa til å peika på den akademiske fridomen.

Eg vil gje honnør til Universitetet i Oslo for å engasjera konsulentfirmaet McKinsey til å gå gjennom organisasjonen og få dei til å peika på korleis ein skal nå det ambisiøse målet om å bli eit leiande internasjonalt forskingsuniversitet. Konklusjonane på denne gjennomgangen, som heilt klart kan overførast til heile sektoren, er at skal ein nå så ambisiøse mål, så går vegen gjennom ei tydelegare fokusering på kvaliteten. Av dei fire viktigaste drivarane for god kvalitet, så kjem finansieringa – det er berre den høgresida fokuserer på – først nede på ein fjerde plass. Det er den fjerde viktigaste. Det aller viktigaste er å vera tydeleg på leiarfunksjonane innan den Men det er ikkje nok å ha gode individuelle leiarar, dersom leiingssystema bygde på ei felles plattform i organisasjonen manglar. Det er også avgjerande viktig å tiltrekkja seg og utvikla akademisk personale på høgt nivå. Difor krevst det både høg kvalitet og tydeleg leiing på institusjonsnivå. Dette forholdet blir godt synleggjort der ein m.a. har satsa på eksterne styreleiarar og tilsett leiing – i staden for valt. Det er dette me i Arbeidarpartiet peikar på i debatten om korleis ein skal lyfta kvaliteten i den høgare utdanninga. Her er det eit tydeleg skilje mellom regjeringspartia og høgresida. Eg vil peika på at under den raud-grøne regjeringa har løyvinga både til universitets- og høgskulesektoren og til forsking og utvikling sidan 2005 hatt ein formidabel vekst. Men skal me leggja Høgre sin manglande styringsevne og styringsvilje til grunn for utvikling innan denne sektoren, ja, då vil det etter kort tid opplevast slik som Bjørnson i si tid skildra det: «Hver glædesstund du fik på jord, betales må med sorg. Om flere følges ad, så tro, de gives kun på borg.» Altså: Gledesstundene må betales med sorg, og dei blir berre gjevne på borg, som lån. Uansett er det slik at ei av godnyheitene i dette budsjettet er at tre av dei forskingsinstitutta som har stått utanfor den statlege grunnfinansieringa, Uni Rokkansenteret, NTNU Samfunnsforskning og Frischsenteret, no er innanfor og får ei statleg basisfinansiering.

strategi. Vi er alle enige om målet med skolen framover, det håper jeg virkelig, å heve kvaliteten i skolen, men vi er uenige om de virkemidlene som kreves og trengs for å få til dette. Når vi i Fremskrittspartiet skal utforme framtidens skolehverdag, er vi opptatt av å snakke med dem som går på skolen i dag. Elevorganisasjonen pekte i år på det samme som i fjor, nemlig en stor manglende satsing på rådgivertjenesten fra regjeringa. Dette syns vi er synd, for tilbakemeldinger fra elevene i dagens ungdomsskoler og videregående skoler er nettopp at rådgivningstjenesten og kvaliteten på den er en veldig viktig faktor når Ofte kan lærere som ikke har ekstra kompetanse eller kunnskap på dette området, bli satt i denne rollen, og med dagens arbeidsmarked og nye linjer og muligheter for ungdommen kan dette føre til en ikke bra nok karriereveiledning for mange ungdommer, feil valg og dermed også en økning i frafallet. Derfor ønsker vi å styrke rådgivningstjenesten, og samtidig håper vi at regjeringa også kan se på et bedre samarbeid med det private næringslivet i rådgivningstjenesten. Samtidig vet vi at flere dropper ut på grunn av mangel på læreplasser. Den tidligere inngåtte samfunnskontrakten var viktig for å sørge for samarbeid mellom de ulike sektorene, både privat og offentlig. offentlig. Det private næringslivet har gjort en formidabel jobb. Til tross for at lærlingtilskuddet på langt nær dekker kostnadene, har de vært seg sitt ansvar bevisst. Det har ikke det offentlige. Det er derfor vi i Fremskrittspartiet mener at regjeringa nå må forplikte seg til en strategi for økt offentlig ansvar for inntak av

til alle de flere tusen barn og enda flere tusen pårørende som lider under dette fortsatt, dag ut og dag inn. Dette er til hinder for læring og til hinder for kvaliteten i skolen. Det er til hinder for å forebygge frafall, og det er til hinder for å beskytte hvert enkelt barn i skolehverdagen. Ja, fylkesmennene ble sendt ut for å drive tilsyn med opplæringsloven § 9 a psykososialt miljø. Men uten sanksjonsmuligheter og mulighet til å rette opp i de tilfellene de avdekker, framstår dette for meg mer som et symbolsk tiltak enn faktisk et reelt ønske fra regjeringas side om å få bukt med dette problemet. I fjor fremmet vi i Fremskrittspartiet forslag om at samtlige skoler i Norge skulle knytte seg til et antimobbeprogram. Dette ble da nedstemt av regjeringa. Men i høst kom det en forskningsrapport som viste at enhver skole som har et slikt antimobbeprogram, det være seg Olweus, Zero eller et de lager selv, har nedgang i mobbing på sin skole nettopp fordi en slik plan tvinger fram økt bevissthet om og fokus på dette hos skoleeier, ledelse, elever og foresatte. Derfor håper vi regjeringa kan gå bort fra sin motstand mot dette forslaget, slik at vi kan

resultater. Det kan vi takke skoleeierne, skolelederne og alle lærerne i dette landet for. Men det er også viktig, som jeg nevnte i en replikk til statsråden, at vi tør å se på de områdene der vi fortsatt har utfordringer, for det er på den måten vi faktisk kan ta tak i problemstillingene. Det bør faktisk tennes noen varsellamper her til lands når regjeringa jubler over at skolen og skoleresultatene i Norge i dag er på samme nivå som de var for ti år siden – som da var sjokkerende lave – samtidig som vi jubler over at de nå er gjennomsnittlig. En skulle tro at regjeringa i et land som Norge hadde større ambisjoner enn som så.

av Apple, Steve Jobs, sa: «Innovation distinguishes between leaders and followers.» Vi i Fremskrittspartiet er utrolig opptatt av at vi skal være «leaders». Da nytter det ikke, hvis vi skal henge med i den internasjonale kunnskapsøkonomien som drives fram nå, å sitte her og være fornøyd med at vi ligger på gjennomsnittet. Det skal ikke vi være. Vi skal tenke hvordan vi skal komme enda høyere, hvordan vi skal bli best i klassen. Det er der motivasjonen skal ligge, det er det som skal være inspirasjonen vår, ikke å komme tilbake igjen til et gjennomsnittlig OECD-nivå. For å oppnå dette kreves det en mentalitetsendring, både i samfunnet generelt og også i skolesektoren spesielt, for PISA-undersøkelsen viser at selv om nivået i gjennomsnittet har økt, så mye for elevenes læring og engasjement som det læreren faktisk gjør. Derfor må lærerens kompetanse, lønn og status styrkes og heves i det norske samfunnet. Det er derfor vi i Fremskrittspartiet er opptatt av å øke lengden på lærerutdanningen, samtidig som vi ønsker å styrke videre- og etterutdanningstilbudet for lærerne. Lærerne må gjøres til autoritetspersoner som elevene ser opp til, og som evner å dyrke fram de talentene vi faktisk har i skolen. Vi må gi elevene mulighet til å heve seg og være flinke i det de er flinke til. Egil «Drillo» Olsen sa at det er en pedagogisk villfarelse å tro at enere skaper tapere. Dette er vi i Fremskrittspartiet enig i, og den vissheten må implementeres i skoleverket og skolehverdagen. I dag opplever veldig mange elever at de ikke får lov til å være flinke, og de får ikke lov til å være bedre enn de andre, de får ikke lov til å ha kommet lenger. Det ble tidligere nevnt fra talerstolen her et eksempel der en elev måtte viske vekk mattestykkene. Det skjer også i dag, det skjer også i dag at det skjer også i dag at elever blir holdt tilbake fordi man skal følge progresjonen til gjennomsnittet i klassen. Det mener vi i Fremskrittspartiet er feil, for det holder nede de talentene og de enerne som vi har, som er i oss alle. Det er nettopp det vi i Fremskrittspartiet mener, at vi vil gå fra enhetstankegangen og enhetsskolen til enerskolen. Det betyr ikke at vi vil ha en Det betyr at vi ser at hver elev, hvert menneske, er en ener og skal få muligheten til å bli det på sine områder og med sitt potensial. Da må vi heller ikke være redde for å se og dyrke fram de talentene vi har i skolen. En undersøkelse som ble publisert i høst, viste at 25 pst. av elevene – og dette var både dem som var teoristerke og dem som hadde teoretiske utfordringer i fag – sa at de savnet å bli stilt krav til. dem av læreren og i skolen. Det er en utfordring vi må ta på alvor og se videre på. Det er ikke snakk om at vi skal nedprioritere det arbeidet som gjøres overfor de svakeste gruppene. Meg bekjent er det fortsatt en kvinnelig majoritet i skolevesenet, og det er ikke vi som er mest kjent for å streve med å ha to tanker i hodet samtidig. Det skal vi klare ved å heve bunnen, men også heve prosentandelen i toppen.

La oss hylle enerne i skolen også! La oss skryte stolt av Bjørnson, som var inspirert av Snorre-sagaene. La oss juble for hvert eneste prosentpoeng vi klarer å øke med i den høyeste kategorien i PISA-undersøkelsen, og heie stolt fram alle de jentene og guttene som faktisk klarte å regne de ekstra sidene i matteboka. De tre største utfordringene vi står overfor, er

Etter min og regjeringens oppfatning er det mennesker som er den kritiske faktoren for å utvikle kunnskapssamfunnet. Regjeringens vurdering er at Norge er svært godt rustet på dette området. Vi er i den heldige situasjonen at ungdomskullene øker, og at det dermed er mange flere som er aktuelle for høyere utdanning. Dette innebærer en enestående mulighet til å møte framtida. Vi vet at vi kommer til å trenge flere lærere i årene som kommer, vi vet at vi kommer til å trenge mange flere med realfaglig utdanning, og at det trengs flere kompetente medarbeidere i helsesektoren. For regjeringen har det dermed vært den høyeste prioritet å sørge for vekst i utdanningskapasiteten innenfor nettopp disse områdene. Jeg vil våge den påstand at dette har vært vellykket. Jeg vil samtidig fra denne talerstol dele æren med våre høyskoler og universitet. Mens regjering og storting har bevilget midler til nye studieplasser, har det vært gjort en fantastisk innsats på lærestedene for å utnytte kapasiteten best mulig og tilby studieplasser til flere. Til sammen gjør dette at økningen i kapasitet i fagskoler, høyskoler og universitet holder tritt med studentveksten. Kunnskapsdepartementet har lagt avgjørende vekt på å bruke tilgjengelig kunnskap som grunnlag for å møte utdanningsbølgen. Så langt har våre prognoser slått usedvanlig godt til. I fjor anslo vi at demografiske endringer alene kan øke etterspørselen etter høyere utdanning med 17 000 fram til 2014. Med økt studietilbøyelighet vil dette tallet kunne stige til 33 000. Samtidig er det flere voksne som ønsker å skaffe seg ny eller bedre kompetanse for et arbeidsliv i endring og utvikling. For å møte denne fortsatte veksten i antallet studenter foreslår derfor regjeringen 2 200 nye studieplasser. I tråd med behovene jeg beskrev, prioriterer regjeringen nettopp lærerutdanning, ingeniørutdanning og helseutdanninger i forslaget til budsjett. Samtidig vet vi at lærestedene selv har gode evner til å prioritere, fordi de vil møte kompetansebehovene i arbeidslivet rundt seg. Vi legger derfor opp til at rundt halvparten av studieplassene ikke er bundet, men kan fordeles strategisk av lærestedene selv. Innenfor høyere utdanning har regjeringens budsjettforslag blitt godt mottatt. Sammen legger vi grunnlaget for å møte utdanningsbølgen og de mulighetene den gir. Dette må gjøres uten at det går på bekostning av kvalitet i utdanningen. Derfor er de 2 200 studieplassene fullfinansiert. Derfor har også regjeringen foreslått å bedre finansieringen av grunnskolelærerutdanningen. Dette alene vil styrke sektoren med over 100 mill. kr når det er ferdig innført, og gi rom for bedre forskningsforankring av undervisningen, bedre praksis og generelt høyere kvalitet i lærerutdanningen. Regjeringen fortsetter også kvalitetsutviklingen ved å videreføre en bevilgning på 50 mill. kr til samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon. I et stramt budsjett – som 2011-budsjettet er – var det nødvendig å prioritere. Regjeringen har prioritert flere studieplasser og bedre kvalitet i høyere utdanning. Da var det ikke rom for store nysatsinger innenfor forskningsområdet. Jeg vil likevel understreke at forskningsbevilgningene så langt har økt med 27 pst. under denne regjeringen, og at realnedgangen på 0,13 pst. i neste års budsjett hovedsakelig skyldes endrede valutakurser og utfasing av bygg. Årets forskningsbudsjett videreføres dermed på et høyt nivå. Vi har bak oss en periode med det som er blitt beskrevet som til dels formidabel vekst, og jeg er trygg på at ved utgangen av denne stortingsperioden vil utviklingen av forskningsinnsatsen stå seg meget godt i historisk sammenheng. Vi har i neste års budsjett lagt fram forskningsprioriteringer som viser viktige veivalg for framtida. Ved at vi øker bevilgningen til den åpne konkurransearenaen for fremragende forskning, FRIPRO, får flere mulighet til å nå fram med forskingssøknader som kvalitet. Ved fortsatt satsing på vitenskapelig utstyr og ved økte bevilgninger til polarforskning er Forsknings-Norge forberedt på neste steg i forskningspolitikken. Lik rett til utdanning er utgangspunkt og mål. Det handler også om ulike menneskers muligheter til dette. Regjeringen tar et avgjørende grep for å sikre én bestemt gruppe lik rett til utdanning i dette budsjettet: Studenter med funksjonsnedsettelser får nå en svært mye bedre studiestøtte. Vi gir dermed flere ungdommer mulighet til å utnytte sine talenter til beste for seg selv og for samfunnet.

et systematisk og langsiktig arbeid for å utvikle et kunnskapssamfunn til beste for miljø og mennesker og for å kunne møte framtidas utfordringer. Det blir replikkordskifte. Jeg noterer meg at statsråden er

er den situasjonen dagens budsjettvedtak medfører for 2012. Vi vet at redusert avkastning på fondsmidlene i 2011 vil gjøre at overføringene fra Forskningsfondet til Forskningsrådet kommer til å bli dramatisk redusert. Regjeringens – kan jeg bruke begrepet «puslete», president? – påplussing til Forskningsfondet vil ikke være i nærheten av å korrigere for det bortfallet det bortfallet av avkastning fra fondet. Er statsråden, i likhet med meg, bekymret for situasjonen for 2012? Først til teknologi og å møte eldrebølgen. Der mener jeg vi gjør en meget god og viktig innsats ved nettopp den satsingen til. Det skal vi følge opp i årene som kommer. Når det gjelder framtida og fondsdiskusjonen i forhold til forskning, deler jeg representantens bekymring når det gjelder å se dette opp mot renteutviklingen. Det er det som er den store utfordringen for oss også. Men representanten kan være trygg på at vi tar fatt i dette. Vi har jo faktisk i denne perioden økt Forskningsfondet fra så det er en betydelig økning. Det er en betydelig størrelse på fondet i dag, men utviklingen framover og de milepæler som fondet møter, viser at vi har en jobb å gjøre når det gjelder å være sikker på at vi får penger, f.eks. til utstyr og til framtidig forskning. Det representanten må være helt sikker på, er at uansett mekanismer vil vi arbeide for å få økte forskningsbevilgninger. Nå hadde jeg egentlig tenkt å bruke min replikk på dette med utdanning for alle, for det er representanten må være helt sikker på, er at uansett mekanismer vil vi arbeide for å få økte forskningsbevilgninger. Nå hadde jeg egentlig tenkt å bruke min replikk på dette med utdanning for alle, for det er tydeligvis sånn at regjeringen vil ha utdanning for alle, men vil ekskludere 90 studenter fra å delta i den utdanningen, nemlig de som er barnehjemsbarn. Men så hørte jeg innlegget til representanten Tor Bremer, og da ble jeg så da tror jeg heller jeg må følge opp det. Han sier at akademisk frihet ikke er et mål i seg selv. Det hadde vel jeg inntrykk av at det er bred politisk enighet om i denne salen at det er. Da finner jeg det betimelig å adressere det forslaget. Jeg kan med en gang si at jeg kommer til å oppfordre Fremskrittspartiets representanter til å stemme for det forslaget dersom det blir aktuelt. Men jeg har lyst til å til å kommentere – for så vidt – både Tor Bremers klare standpunkt om at akademisk frihet ikke er et mål, og også forslaget fra Venstre. Vi hadde en debatt for ikke så lenge siden i Stortinget om akademisk frihet, og det er jo nedfelt som et viktig prinsipp i universitets- og høyskoleloven. Så har det vært en spennende debatt nettopp om akademisk frihet og forskningsfrihet, som både representanten og statsråden har vært med på i diverse medier. Jeg vil fastholde mitt utgangspunkt som er at den akademiske friheten er helt sentral for forskning. Det vi jobber med nå, er hvordan vi skal synliggjøre og tydeliggjøre våre standardkontrakter for dem som ikke er omfattet av lovbestemmelsene i universitets- og høyskoleloven. Hvis jeg kan gjøre det overfor denne representanten, vil jeg her og nå oppfordre de som står bak Venstres forslag, om å omgjøre det til et oversendelsesforslag, fordi jeg gjerne vil ha det med i vurderingen. Men jeg har litt problemer med å se hvordan vi på en god måte kan lovfeste akademisk frihet utenom universitetene og høyskolene. Men jeg er veldig åpen og positiv til å vurdere dette som en del av det arbeidet vi nå gjør

Senest i Bergens Tidende på mandag denne uken var det et oppslag med rektor ved Universitetet i Bergen som sier at de nå antakelig må kutte noen studieplasser for å opprettholde kvaliteten, fordi det har gått ut over kvaliteten. Jeg registrerer at statssekretær Kyrre Lekve ikke er enig i at det går ut over kvaliteten, men det vet vel rektoren best. Hva vil statsråden gjøre for å gripe fatt i den problemstillingen som stadig flere institusjoner nå melder om den gruppen som ikke har fullfinansiering? Jeg synes det er

Men de to store universitetene har en utfordring, og det handler sikkert både om ting som er gjort historisk, og om at de er opptatt – selvfølgelig – av kvaliteten. Jeg kommer til å følge dette nøye. Vi har heller ikke tildelt de to store universitetene som mangler studieplasser, i denne omgangen. Men jeg kommer til å følge nøye den ulikheten som er mellom de ulike studiestedene. Det er selvfølgelig mitt ansvar at vi har en fullfinansiering – det har vi, den kommer i to porsjoner – studieplassene er fullfinansiert. Og så må vi i felleskap sørge for at kvaliteten uansett holdes i

men barnet var ivrig etter å komme ut og kom fire dager før tiden. Det resulterte i at hun gikk glipp av 90 000 kr i foreldrepenger. Hun ligger ni måneder etter i studiet i forhold til sine medstudenter og har fått 70 000–80 000 kr ekstra i lån i forhold til de andre. de andre. De sier at de ikke har hjemmel til å bruke skjønn i slike saker. Vil statsråden ta initiativ til å oppfylle Soria Moria II og få en større fleksibilitet? Vi får glede oss med unge foreldre og at det kommer barn til verden, enten de kommer til termin eller ikke. Og så er det jo slik med Lånekassens støtteordninger at de er ganske rause, men de kan ikke være utsatt for så mye skjønn. Det er rett og slett ikke bygget inn i systemet. Men jeg siterer gjerne Soria Moria II. Vi har altså i det budsjettet som kommer nå, som vi diskuterer nå, oppfylt den første delen av det som går på studenter og studiestøtte, nemlig å gi bedre studiestøtte til funksjonshemmede studenter. Det er jeg veldig stolt av at vi har fått til. Og så er det også en formulering om Vi er ikke ferdige med Soria Moria-perioden ennå. Jeg kan love representanten at dette er noe jeg kommer til å jobbe veldig hardt for, at vi også klarer å oppfylle det løftet fra Soria Moria II som handler om å gi bedre ordninger for studenter med barn.

i basisbevilgningen. Dette undrer meg, og jeg har lyst til å spørre statsråden om det – kanskje hun kan svare. Dette har også Venstre gjort. Venstre gjorde da det man skal gjøre: Vi skrev et brev til Finansdepartementet og spurte om hvor mye det koster å få fire institutter inn i basisfinansieringen. I svaret på det spørsmålet, svar nr. 270, sier Finansdepartementet at det koster Hvorfor koster det 40,6 mill. kr når Venstre skal gjøre det, og 5 mill. kr når posisjonen skal gjøre

for å avhjelpe behovet for basisbevilgning, som kanskje Finansdepartementet har et litt annet regnestykke på, er jeg veldig takknemlig for at komiteen har klart. Så får det bli opp til institusjonene selv om de er glad for dette eller ikke, men vi ønsker med dette signalet også å være tydelig på at vi ikke vil ha en ordning hvor man får en kvalitetssikring, som i dette tilfellet fra Forskningsrådet, uten at vi har en finansiering samtidig. I framtiden kommer det til å bli samstemmighet mellom det som er penger til basisfinansiering, og eventuelle godkjenninger av

så det kan statsråden helt sikkert oppklare: Er det ikke slik at hvis regjeringen ville og hvis statsråden – forskningsministeren – hadde fått gjennomslag i regjeringen, kunne regjeringen ha økt budsjettet på forskning, selv om valutakursene endrer seg både her og der? Det er vel egentlig et spørsmål om å ville øke budsjettet, og ikke en matematisk utregning av valutakurser vi snakker om. Vi har økt forskningsbudsjettet i kroner og øre med en halv milliard kroner. Så har da pris- og renteutviklingen ført til at det ble 0,13 pst. mindre enn året før. Men jeg mener vi har et så pass høyt nivå på forskningsbudsjettet at for dette ene året som kommer, vil vi tåle dette. Jeg kommer til å jobbe for, selvfølgelig, å øke forskningsbudsjettene i årene framover. Det vi har klart å gjøre i dette neste års budsjett, er å holde på en høy vekst – en vekst som faktisk av forskningsanalytikerne selv er blitt betegnet som en formidabel økning av veksten de siste årene. Vi holder oss på det høye nivået, og ved å omprioritere innenfor forskningsbudsjettet får vi til en styrking av det som er den Fri prosjektstøtte innenfor Forskningsrådet. Det opplever jeg er blitt oppfattet som et meget godt signal i forskningsmiljøene selv fordi man har savnet en styrking av nettopp denne forskningen. I tillegg har vi styrket polarforskning og andre områder. Replikkordskiftet er omme. Dette er et utdanningsbudsjett som går

ufaglærte. Dette er en utvikling som vi allerede har sett over lengre tid, og det er en følge av både teknologiutvikling og økt kompetansebehov. For det tredje er det voksende økonomier i andre deler av verden som blir mer og mer konkurransedyktige og konkurransevillige. Vi må se utover våre egne grenser, og vi må ha ambisjoner om et høyt kunnskapsnivå i vår befolkning som kan matche de utviklingstørste nye økonomiene verden. Derfor satser vi på kvalitet i alle ledd av utdanningsløpet, fra barnehagene til høyere utdanning. Utdanning handler både om egenutvikling og om å få de grunnferdighetene man trenger for å kunne delta og å bidra i arbeidslivet. Vi tar konsekvensen av at ufaglærte vil streve mer i årene som kommer, og vi forsterker arbeidet mot frafall i videregående. Med tidlig innsats vil vi utstyre dagens ungdom med de ferdighetene de trenger for å få et godt fotfeste i arbeidslivet. Vi tar konsekvensen av den ventede studentbølgen ved å foreslå 2 200 nye studieplasser i høyere utdanning. Og vi anerkjenner arbeidslivets framtidige behov ved å fordele disse på spesifikke utdanninger der vi ser at behovet vil være stort, som Vi har høye ambisjoner for høyere utdanningssektoren, og har økt bevilgningen med nesten 6,8 mrd. kr fra 2005 og fram til dette budsjettforslaget. Men vi stiller også krav om samarbeid og arbeidsdeling på viktige fagområder for landet og til spissing av institusjonen. Som Bjørnstjerne Bjørnson en gang sa: «Blant hundre som grubler, til tenker blir Vi kan ikke i dag spå akkurat hvilke tenkere vi trenger om 50 år, og hvilke tanker de skal tenke. Det er noe av grunnen til at vi har foreslått å øke bevilgningene til grunnforskningen med 60 mill. kr. Totalt får forskning og utvikling en nominell vekst på 550 mill. kr fra saldert budsjett. Det er tydelige prioriteringer av kunnskap i et forholdsvis stramt budsjett. Nå er jeg av den oppfatning at man kan ikke bare måle ambisjoner i størrelsen på pengebruken. Man er også nødt til å se på viljen til å stille krav til pengene – det er tross alt fellesskapets penger det her er snakk om. Det var en viktig del av vurderingen til arbeidsgruppen bak rapporten Handlingsrom for kvalitet, som forsknings- og høyere utdanningsministeren bestilte, nemlig at det er viktig å styrke den strategiske ledelsen og evnen til å prioritere. Det er viktige grep for å sikre kvalitet i utdanning og forskning.

Venstre vil ha flere studieplasser, men har ikke uttrykt noen formening om hvordan de vil fordele plassene. Med tanke på de utfordringene som Norge står overfor, framstår dette som ganske lite visjonært. Politikk er ikke å kaste penger etter institusjoner, det er å prioritere, lede og ha en helhetlig analyse av

Hun siterte nemlig Egil «Drillo» Olsen for å gi legitimitet til Fremskrittspartiets ønske om å satse mer på enerne. Jeg vil gjøre oppmerksom på – det er offentlig kjent – at Egil Olsen er kommunist. Det viser jo også at vilje til å satse på enerne ikke er spesielt unikt for Fremskrittspartiet. Forskjellen er vel først og fremst at vi samtidig – tverrpolitisk, vil jeg si – vil utfordre både de som strever mest, og de som gjør det godt på skolen i dag, som ønsker å lære mer, men at vi, vår side av den politiske ideologilinjen, ikke ønsker å la det gå på bekostning av de elevene som strever. Å satse på kunnskap er en strategi som

I festtaler, trontaler og nyttårstaler er kunnskap med. En foreløpig rekord sto vel statsministeren for 1. januar i år da han i nyttårstalen sa «kunnskap trumfer alt» kanskje så mye som 20 ganger. Det var faktisk en veldig bra tale, men den skapte naturlig nok store forventninger til regjeringens prioriteringer i tiden som kommer. Men da statsbudsjettet kom, skjønte vi at det var lang vei fra nyttårstaleretorikk og til konkret satsing i budsjettet, for kunnskap trumfer ikke alt i statsbudsjettet for 2011. Satsingen på kunnskap holder på å bli en ny månelanding. Og det er ikke positivt ment. At regjeringen tør å legge fram et budsjett som for første gang på ti år har realnedgang på forskning, er både skuffende og uforståelig. Norge er et lite og dyrt land å produsere i. Skal vi få solgt våre varer og tjenester, må vi hele tiden utvikle dem ved hjelp av forskning, utvikling og innovasjon. Vi har ikke råd til å tape terreng. Men det er dessverre akkurat det vi gjør. På European Innovation Scoreboard rangeres Norge nå under gjennomsnittet for Europa og i gruppen «tapende land». Forskningsinnsatsen i Norge er lavest i Norden og under gjennomsnittet i EU. Både antall innovative foretak og foretak med FoU har sunket jevnt og trutt de siste årene. Hvis det er slik at «kunnskap trumfer alt», ser det ikke så bra ut for Norge. Det hjelper jo ikke bare å si at kunnskap er viktig, vi må virkelig satse. Norge er i en unik posisjon internasjonalt. Mens andre land er svimeslåtte og tvinges til store kutt i budsjettene, har Norge et enestående økonomisk handlingsrom til å satse. Vi kunne benyttet denne sjansen og rustet opp landet til en verdensledende kunnskapsnasjon med internasjonalt ledende utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. Vi kunne klatret opp til toppen av European Innovation Scoreboard, og våre beste universiteter kunne kommet inn blant de 50 beste i verden, Det ville krevd en klar nasjonal strategi og ambisiøs satsing de neste ti årene. Det er de årene vi sannsynligvis har igjen med et handlingsrom stort nok til å klare det. Det har vi naturligvis også til de grader hatt de siste fem årene, men de fem årene har regjeringen kastet bort de mulighetene som har vært der. Har regjeringen vilje til å satse på denne måten? Det ser dessverre ikke slik ut. Et forskningsbudsjett med realnedgang for første gang på ti år lover ikke godt. Kontrasten til andre land er slående. Ta Storbritannia som et eksempel: Deres statsbudsjett for 2011 innebærer kutt på gjennomsnittlig 20 pst. Bare forskningsbudsjettet skjermes – det blir naturligvis ingen økning, men det blir det jo heller ikke i Norge. Med et så utrolig mye bedre utgangspunkt er det rett og slett oppsiktsvekkende at regjeringen i Norge ikke klarer å gjøre det bedre. Det er en tafatt og halvhjertet satsing på kunnskap denne regjeringen står for, og den trumfer i hver fall ikke alt! Høyre har større ambisjoner for Norge. Vi øker satsingen på forskning med hele 600 mill. kr i vårt budsjett. Høyre er ikke noe uansvarlig overbudsparti. Vi har ikke mer penger til alle gode formål. Men vi har sans for smarte investeringer. En sterk satsing på forskning i dag er en investering i framtiden, nærmere bestemt i Det er nødvendig dersom vi skal opprettholde levestandard og velferd i framtiden, etter oljen. Jeg har registrert at Høyre har blitt angrepet i debatter tidligere i denne uken her i salen for å ville undergrave velferdssamfunnet. Det er en meningsløs kritikk. Vår kritikk av regjeringen er først og fremst at den ikke satser på vekstfremmende tiltak som kan sikre arbeidsplasser og verdiskaping i framtiden, for det er verdiskapingen som gjør velferden bærekraftig så vel i dag som i morgen. Så til slutt: Satsing på kunnskap i framtiden sikres også ved å sette av penger i Forskningsfondet. Også her snubler regjeringen dessverre i feil retning. Innskuddene har gått ned, år for år, under den rød-grønne regjeringen. Fra 14 mrd. kr i 2006 til 6 mrd. kr i 2009, og bare 3 mrd. kr i 2011. Høyre satser i Av fondets 77 mrd. kr er bare en tredjedel budsjettert under den nåværende regjering. Bondevik-regjeringen hadde trang økonomi, men klarte å spare og sette av til Forskningsfondet. Stoltenberg-regjeringen har hatt tidenes kjøpefest, men kuttet sparingen til halvparten. Avkastning i Forskningsfondet vil gå ned fra og med 2012 som følge av lavere rente. Derfor må innskuddene økes og ikke reduseres, som regjeringen legger opp til. Den norske kirke er inne i en stor mange utfordringer ligger foran. Likevel står noe fast: Den norske kirke skal bevares og utvikles som en åpen og inkluderende folkekirke, med bred forankring blant kirkemedlemmene. Kirkeforliket fra 2008 danner en viktig bærebjelke i arbeidet med å realisere dette målet for folkekirken. Gjennomføringen av forliket er i gang. I forrige måned var jeg til stede på åpningen av Kirkemøtet i Tønsberg. Der kunne jeg som kirkeminister for første gang tale til et kirkemøte hvor en stor andel av delegatene var valgt inn ved direkte valg. Ordningen med utprøving av direkte valg til bispedømmeråd og kirkemøte er en del av den pågående demokratireformen i Kirken, i tråd med de forutsetninger som er Erfaringene fra kirkevalgene i 2009 vil danne grunnlag for ytterligere utprøvinger i 2011. Deretter skal vi gjennomføre en grundig evaluering av valgene og demokratireformen. Kirkebudsjettet innebærer en bevilgning på rundt 72 mill. kr til gjennomføringen av valgene neste år. Det er mye penger og sier noe om hvor viktig det er å utprøve og legge til rette for deltakelse og engasjement ved

og akkurat som i fjor er det friske midler. Den samlede bevilgningen er nå tett oppunder 200 mill. kr. Regjeringens mål er å gjøre reformen landsdekkende i alle menigheter. Jeg er glad for at komiteen støtter opp om dette målet. En landsomfattende folkekirke er avhengig av en velfungerende prestetjeneste som er Gjennom de senere årene er det gjennomført flere tiltak for å bedre prestenes arbeidsvilkår. Likevel har vi erfart at det i deler av landet er utfordringer å få rekruttert nok prester, og at arbeidsbelastningen for prester flere steder har økt som følge av befolkningsvekst. Vi arbeider stadig med å legge til rette for at den daglige arbeidssituasjonen kan oppleves god for den enkelte prest. Jeg er derfor glad for at vi har lagt inn en bevilgingsøkning på 5 mill. kr til nye prestestillinger i de deler av landet der prestedekningen per kirkemedlem i dag er lavest. Jeg håper og tror at dette gir et signal om at prestetjenesten er sett på som viktig, og at vi ønsker flere prester. Det folkelige engasjementet for Kirken er ikke minst knyttet til Derfor er det svært gledelig at vi i de siste fire–fem årene har registrert en kraftig forbedring i vedlikeholdsinnsatsen overfor kirkebyggene. Den totale innsatsen er mer enn fordoblet. Den statlige rentekompensasjonordningen har vært et bidrag for økte kommunale bevilgninger til kirkene. Innsatsen på området skal fortsette. Jeg er glad for at investeringsrammen for denne ordningen utvides med 400

Men overfor Vårt Land fastslo kirkeminister Aasrud: «I Soria Moria-erklæringen lovet vi flere prestestillinger. Det følger regjeringen nå opp. I 2011-budsjettet økes bevilgningene med fem millioner kroner til nye prestestillinger. Denne økningen vil føre til styrking av det kirkelige tjenestetilbudet. De fem millionene dekker åtte nye stillinger. Disse stillingene kommer primært i bispedømmene Borg og Stavanger, der behovet for nye prestestillinger er størst.» For Fremskrittspartiet innebærer en åpen og aktiv folkekirke at presten er til stede. Mener regjeringen at det For Fremskrittspartiet innebærer en åpen og aktiv folkekirke at presten er til stede. Mener regjeringen at det er de åtte nye stillingene som skal til for å styrke det kirkelige tjenestetilbudet og innfri Soria Moria-erklæringen – når behovet for flere prester er så uendelig mye større? Dette har vi vært kjent med i lang, lang tid. Jeg er glad for at representanten Thorsen er opptatt av Soria Moria-erklæringen, men som representanten helt sikkert vet, er Soria Moria-erklæringen et regjeringsprogram for en fireårsperiode. Jeg er glad for at vi nå – for første gang på lenge – har for første gang på lenge – har klart å styrke prestetjenesten. Jeg håper man ser at det er et signal om at regjeringen ønsker å satse på bedre prestetjeneste i de deler av landet som har stor befolkningsvekst, og der det er behov for å avlaste prestene ved ikke å ha så mange personer i menighetene per

stillingene. Den norske kirken har i mange år hatt bevilgninger til flere prestestillinger som en av sine hjertesaker overfor regjeringen. Spørsmålet til ministeren er: Dersom Kirken kan vise til god rekruttering, vil statsråden da sørge for nødvendige lønnsmidler, eller har hun et godt råd om hvor pengene skal tas

å kutte ut læremidler til samiske unger, halvere tilskuddene til kulturskoler og kutte ut viktige bidrag til voksenopplæring. Jeg mener at man må se behovet for prestetjenester også i den store sammenheng. Vi er hele tiden nødt til å gjøre avveininger. Det har vi gjort i dette budsjettet, vi har økt bevilgningen til prestetjenester. Det er jeg glad for. Vi kommer til å jobbe og se på de behovene som er, og så avstemme det med totaliteten i våre budsjetter – også i tiden framover. Da

Kan statsråden nå bekrefte at dette vil skje raskt, slik at en kan få avsluttet saken om Opplysningsvesenets fond? Som representanten Harberg har registrert, har vi foreslått en bevilgning på 320 mill. kr for å kompensere de tap som er påført OVF i 2009 og 2010. Så jobber vi med oppreguleringsspørsmålene som gjelder de avtalene og de tapene som OVF måtte ha etter 2011. Det vil vi komme tilbake til når vi har fått de nødvendige avklaringer av de juridiske forholdene. I I tillegg vil vi selvsagt komme med en endring i lovverket knyttet til Opplysningsvesenets fond. Jeg planlegger å legge dette fram i forbindelse med at vi legger fram en ny gravferdslov. Den vil komme til Stortinget etter jul. Før Stortinget tok ferie sist sommer, hadde vi også denne saken oppe. Da lovte statsråden at de skulle gå løs på beregningene og utregningene som gjaldt oppgjøret til Stortinget etter jul. Før Stortinget tok ferie sist sommer, hadde vi også denne saken oppe. Da lovte statsråden at de skulle gå løs på beregningene og utregningene som gjaldt oppgjøret til Opplysningsvesenets fond. Etter det jeg kjenner til, er det god kompetanse, både juridisk og matematisk, i denne byen. Jeg er veldig forundret over at det skal ta så lang tid å regne ut hva dette oppgjøret skal være på. Kan statsråden forklare oss i Stortinget hvorfor det tar så forferdelig lang tid å regne ut et matematisk regnestykke, og hva som er tapet på grunn av det feilaktige vedtaket i Stortinget? Vi har gått mange runder med Opplysningsvesenets fond, bl.a. om antall festetomter som har vært avviklet i den perioden. Vi har nå et antall på om lag 1 150 festetomter. Vi er fortsatt i dialog for å finne fram til tidspunktet for når overføringer har skjedd, når tap har oppstått. Dette har vært en komplisert sak; vi har brukt mye tid for å få et riktig grunnlag før vi går til Stortinget og ber om en bevilgning. Jeg mener det i denne saken må være riktig, når vi skal legge fram en såpass stor bevilgning for Stortinget, at vi forsikrer oss om at vi har det nødvendige bakgrunnsmateriale, slik at vi ikke går til Stortinget med gale opplysninger.
ja
Statsråden var inne på kirkebyggene og situasjonen for disse rundt om i landet vårt. Vi har ikke mange slott, festninger osv., slik som andre europeiske land har til å ta vare på sin arkitektur og sin nasjonale arv, men vi har veldig mange kirkebygg. Og det står veldig dårlig til, særlig når det gjelder brannsikring og innbruddsikring, i mange av disse kirkene. Spørsmålet mitt er om vi har råd til å la disse kirkene forfalle, er om vi har råd til å la disse kirkene forfalle, og om vi tror at de vil kunne klare å vinne igjennom når kommunepolitikere skal sitte og prioritere i kampen mellom sykehjem, skole og kirkebygg. Etter Kristelig Folkepartis mening har staten nå et særskilt ansvar for å gå inn i et spleiselag, slik at vi får satt disse kirkene i ordentlig stand. Vil statsråden være med og lage en nasjonal handlingsplan for å få dette til?

Jeg tror vi er nødt til å bruke den kunnskapen vi nå har, at vi lar fellesrådene og kommunene i fellesskap jobbe med å legge planer basert på den rapporten som vi har fått utarbeidet. Det er et godt grunnlag for kommunene for å utarbeide gode planer sammen med fellesrådene om den vedlikeholdssituasjonen som er. Så gjør vi en betydelig innsats ved å tilføre midler gjennom rentekompensasjonsordningen. Det er vårt svar til kommunene på

Tradisjonelle verdier og normer utfordres av samfunnsendringene og i møtet mellom ulike kulturer. På mange områder er den nasjonale enheten på vikende front i forhold til nye internasjonale og regionale strukturer. Derfor er Fremskrittspartiet positiv til endringene i fagskoleloven som skal ivareta at kvalifikasjonskravene både nasjonalt og internasjonalt blir tilnærmet like.

ulike grunner til at behovet for voksenopplæring er økende. Noen må av helsemessige årsaker ha omskolering. Mange arbeidsplasser tar i bruk ny teknologi, tradisjonelle arbeidsplasser blir nedlagt, og dette fører til skifte av arbeidsoppgaver. Fremskrittspartiet mener at nettbasert undervisning i langt større grad må bli tatt i bruk innenfor mange utdanninger. Den typen undervisning kunne også gitt langt flere lærere et godt videreutdanningstilbud.

Faren for at fylket prioriterer egne skoler på bekostning av viktige private tilbydere blir større. Viktige fagskoler kan bli nedlagt som følge av at fylkene nå har det økonomiske ansvaret. Fremskrittspartiet mener dette viser at finansieringen av fagskolene må

Regjeringen har ikke funnet plass til mer enn 65 nye studieplasser. Fremskrittspartiet har foreslått 160 nye plasser i tillegg. Ifølge Sykepleierforbundet i Rogaland øker inntaket av studenter ved Universitetet i Stavanger uten at lærerressursene økes tilsvarende. I tillegg meldes det om at man ikke har tid til å gjennomføre ordinære eksamener. I stedet gjennomføres flervalgsprøver. Dette kan svekke kvaliteten på utdanningen.

Ved nærmere ettersyn viser det seg at det meste faktisk skal brukes til å oppfylle tidligere stortingsvedtak. 72 mill. kr går til kirkevalgene, som er en viktig del av demokratireformen. Trosopplæringen blir tilgodesett med 27 mill. kr i neste års budsjett, slik at det totale tilskuddet nå nærmer seg 200 mill. kr. Likevel ligger finansieringen etter i Fremskrittspartiet foreslår en økning på ytterligere 8 mill. kr, slik at posten styrkes med 35 mill. kr totalt. Regjeringen kommer likevel med en erkjennelse når det gjelder prestetjenesten. For første gang på mange år er det i budsjettforslaget lagt inn 5 mill. kr til nye prestestillinger. Om det er nok til at Vålerenga kirke får ny prest, er jeg usikker på, da dette kun vil gi åtte nye prestestillinger, og disse allerede er fordelt. Presteforeningen ber om 30 mill. kr og viser til at det i Norge finnes én prest per 3 000 medlemmer, noe som gjør at Norge ligger på jumboplass i Norden når det gjelder prestetetthet. Dette medfører et veldig stort arbeidspress på prestene, i tillegg til at soknebarna ikke får den oppfølging som det kan være behov for. Dette er nok noen av til at mange vegrer seg for å bli prest. I tillegg er det mange som er utdannet til prest, som ikke arbeider som prest. For Fremskrittspartiet er det viktig å legge forholdene best mulig til rette for at vi skal ha en åpen og aktiv folkekirke som også inkluderer at prestene er til stede og tilgjengelige. Derfor foreslår vi ytterligere 30 mill. kr til prestetjenesten. En fortsatt utvikling og satsing på IKT og en modernisering av medlemsregistreringen kan gi store økonomiske besparelser for Kirken. Fremskrittspartiet foreslår 2 mill. kr for å ivareta dette. Regjeringen prioriterer ikke det videre IKT-arbeidet, men forventer likevel effektivisering. Kirkebyggene våre trenger omfattende vedlikehold, brannsikring og oppgradering. For å ivareta kirkebyggene foreslår Fremskrittspartiet ytterligere 1 mrd. kr i rentefrie lån til dette. Så til OVF: Fremskrittspartiet registrerer at alle partier går inn for at det hurtigst mulig skal betales full kompensasjon for de påførte tap som OVF har hatt, og at dette skal skje i samråd med OVF. Nå kan det være forskjellig oppfatning av hva som er hurtig, men Fremskrittspartiet setter sin lit til at regjeringens vilje til å rette opp ulovlighetene som er begått, er stor, og at regjeringen derfor er til å stole på når det gjelder å få en hurtig og rettferdig erstatning som kompenserer tapet fullt ut – selv om beløpet blir høyt. Men det er ikke Noen burde kanskje tenkt på dette før, for det manglet i hvert fall ikke på advarsler før det famøse vedtaket ble fattet. Alle partier har uttrykt glede i dag i forbindelse med PISA-resultatene. Samtidig er det viktig fra alle hold å ha enda høyere ambisjoner på vegne av den enkelte elev. Men det er klart at en må få lov til å være glad, ikke minst på vegne av elevene. Det er tross alt dem dette gjelder. Gode lærere er helt klart viktig for å oppnå dette. Men jeg vil vise til at det i PISA-rapporten og i andre elevundersøkelser kommer fram at ro og orden er veldig viktig. Det er noe Fremskrittspartiet har holdt fram i mange, mange år, og som vi faktisk

samtidig skal de meddeles solide kunnskaper om arbeidsbetingelsene i de forskjelligste yrker. Norsk Rikskringkasting tas i full bruk som skolelærer. Den tar seg av geografi, naturkunnskap, og historie. Det legges vekt på å gjöre elevene lystne på praktisk utdannelse og å leve et sundt liv.» Den tar seg av geografi, naturkunnskap, og historie. Det legges vekt på å gjöre elevene lystne på praktisk utdannelse og å leve et sundt liv.» Det tror jeg faktisk er like aktuelt i dag som det var i 1953 da det ble skrevet, men i dag kan vi bytte ut Norsk rikskringkasting med nettbasert undervisning. Det er en viktig del av utdanningen i framtiden. For Arbeiderpartiet er

kunnskap. Særlig det å kunne lese er viktig for all annen utdanning videre. Arbeidet for at flere skal gjennomføre videregående opplæring, er overordnet for arbeidet vårt i denne perioden med skolen. Regjeringens satsing, Ny GIV, er viktig for å få til dette. Vi bruker nesten 0,5 mrd. kr ekstra, i tillegg til den andre skolesatsingen vår, for å få flere igjennom videregående opplæring. Tilrettelegging og oppfølging av de aller svakeste elvene og gode overganger mellom nivåene, mer relevant og praksisnær yrkesfag og samarbeid med partene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser er noen viktige ting som denne satsingen inneholder. Men det viktigste for å få flere igjennom videregående er allikevel grunnkompetansen. Alt i barnehagen begynner en viktig læring. Det som skjer der, pluss vektlegging av tidlig innsats og tilpasset opplæring, er det som skal gi folk det beste utgangspunktet for å kunne greie å gjennomføre og kunne få leve det livet som de selv ønsker. Sammenhengen mellom grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring er godt dokumentert. Det samme er sammenhengen mellom grunnleggende ferdigheter og tilknytning til arbeidslivet. For oss i Arbeiderpartiet er arbeid sak nummer én. Det betyr et utdanningssystem der alle får muligheter, og der alle skal kunne komme igjennom. Regjeringen kan gjøre mye, men det er også viktig å ha en god og positiv skole. skole. Det er også viktig at vi er tydelige på at det krever noe av den enkelte. Bjørnson har sagt: «Å leve et konsekvent liv, ville noe i verden, ville det med alvor – det koster.» Vi kan legge til rette, men gode skoleresultater kommer ikke av seg selv. Det kommer av hard jobbing fra oss – fra skoleeier, fra lærer, men også fra den enkelte elev. PISA er også et resultat av hard jobbing fra alle disse partene, og mange skal ha ros for at vi har nådd dit vi har nådd nå. Det er ikke sånn som opposisjonen skal gi et inntrykk av, at regjeringen gleder seg over å være middelmådig og gjennomsnittlig. Vi gleder oss over at vi har hatt en markant framgang og at pilene nå peker oppover, og at vi får anerkjennelse for at den type politikk som vi har valgt, gir gode muligheter for å bygge videre. Vi er glad for at vi har hevet oss betraktelig, og at forskerne sier at vi er på rett spor, i motsetning til f.eks. Sverige, som fører den politikken som Hanekamhaug og Lien Men vi har fortsatt utfordringer. Jeg er enig med Lien. «Kanonene på Navarone» bør absolutt inn i norsk skole, men det er kanskje ikke lett å få guttene til å lese like mye som jentene, for som også Bjørnson skal ha sagt: «Unge piker leser alltid i smug.» Petter Skarheim, utdanningsdirektøren, sa på pressekonferansen på tirsdag at PISA viser oss at sammenholdte klasser er det som i størst mulig grad gir oss muligheten til å løfte både toppsjiktet og bunnsjiktet. Da kan vi ikke føre en politikk sånn som Fremskrittspartiet ønsker, med mer segregering, mer oppdeling og mer privatisering. Til slutt til Mette Petter Northug er også et resultat av breddeidrett. De beste fotballspillerne våre er et resultat av breddeidrett. Du må satse bredt for å nå toppen. Men det kan høres ut som om vi ikke har enere i Norge, på den måten Hanekamhaug snakker. Hele komiteen har vært på Harvard og møtt norske enere som studerer ved verdens beste universitet. Er dette på tross av det norske skolesystemet? Er dette på tross av det norske skolesystemet? Er det på tross av det norske skolesystemet at vi er verdens beste nasjon på «deep sea drilling»? Jeg synes det er trist at Fremskrittspartiet bruker tid på å snakke flinke nordmenn og landet vårt ned i denne debatten. Om ikke Bjørnson har

For høyere utdanning er det et budsjett for å fortsette som før, og det er slettes ikke bra. Tilbakemeldingene er at institusjonene greier å trø vannet, men ikke har mulighet for utvikling eller kvalitetsløft. Når en trør vannet, holder en seg flytende, men har ingen retning eller framdrift. De andre går fra deg. Det er ingen god situasjon for landet som ifølge statsministeren nærmest har som slagord: kunnskap Ja, kunnskap trumfer, og derfor må kunnskap være satsingsområde. Vi i Høyre er opptatt av at budsjettet skal være med og peke ut retninger for framtiden. Vi vil klargjøre satsingsområdene, vi vil inspirere, og vi vil gi forutsigbarhet. Derfor er det ikke store forskjeller mellom Høyres alternative budsjett for 2010 og det som vi har lagt fram for 2011. Utdanning og forskning får også i denne runden klare signaler og en påplussing på langt over 1 mrd. kr. Jeg er bekymret. Ingen av de utfordringer som ligger foran oss innen høyere utdanning, har regjeringen grepet fatt i. Utfordringene er ingen bagatellmessige saker som kan løses på bakrommet eller ute i institusjonene. Det er derfor ledelsen ved universiteter og høyskoler, opposisjonspartiene og enkeltrepresentanter fra regjeringspartiene ber om å få en debatt som kan avklare en retning for sektoren. Hvordan vil vi at strukturen innenfor Midler til samarbeid og samordning deles ut uten mål og mening, og sektoren sitter litt forvirret og lurer på hvordan en skal utnytte midlene. Skal det være færre universitet? Eller skal det utvikles A- og B-universitet? Skal det etableres flere universitet – universitet av den typen som ikke på noen måte blir finansiert i forhold til de forventninger en har til dem, spesielt innenfor forskning? Skal en samle fagene på Hvordan skal en sikre kvalitet og kompetanse på de mange og spredte fagmiljøene? Nå må statsråden ta initiativ til en politisk debatt som kan klargjøre og gi inspirasjon til utvikling av høyere utdanning, og som kan klargjøre hvordan ressursene skal kanaliseres. Den andre store utfordringen gjelder antall studieplasser. Gang på gang har vi etterlyst en plan for økning av antall studieplasser som kan ivareta den økning som regjeringen selv har påpekt i flere saker. Det finnes ingen plan. Gjennom budsjettvedtak økes tilskuddet med noen nye plasser, og det er bra, men det løser ikke utfordringen. Det gis ingen forutsigbarhet og mulighet for planlegging. Universitetene er overfylt fra før, og kvaliteten i undervisningen er truet. Dette gis det også klar beskjed om fra de ansvarlige ledere. Statsråden må se alvoret. Vi må få en plan. Regjeringen må ha en plan.

må hun samtidig høre på de klare signalene fra ANSA om at endringer i finansieringen vil gjøre det attraktivt for flere å reise ut. Opposisjonspartiene har gjennom en årrekke styrket disse postene i budsjettarbeidet. Som jeg sa innledningsvis, er det mulig for sektoren å trø vannet med det framlagte budsjett for 2011. Jeg ber statsråden innstendig om å sette de utfordringene jeg her har nevnt, på dagsordenen, slik at Stortinget kan si hvilken retning universitets- og høyskolesektoren skal ta når de skal gå videre. En slik forutsigbarhet vil gjøre det lettere å legge planer. Vi må sikre kvaliteten i høyere utdanning, sikre oppfølging av den enkelte student og sikre de neste generasjonene et kompetansegrunnlag som gjør at de kan tilføre oss den nødvendige kunnskap for å være i front i et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssamfunn. Til slutt vil jeg bare knytte noen kommentarer til forslaget fra Trine Skei Grande og Venstre. Høyre har tidligere stemt imot slike forslag, men kommer i dag til å støtte det, rett og slett fordi vi har sett at av saker som har kommet til overflaten i det siste, er det høyst nødvendig å fokusere på dette og påpeke behovet for den akademiske
ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Skal Norge bli verdens fremste sjømatnasjon, må vi greie å sikre de mest grunnleggende forutsetningene for norsk sjømatnæring, nemlig et rent hav og en bærekraftig forvaltning av fiskeressurser og havbruksnæring. Klarer vi ikke å sikre det, ødelegges grunnlaget næring som gir arbeidsplasser til folk langs kysten, og som daglig sørger for 37 millioner sunne måltider til verdens befolkning. I innstillingen til denne budsjettbehandlingen understreker KUF-komiteen betydningen av miljøforskningen. Den skal sikre grunnlaget for at all produksjon og alle produkter kan utvikles innenfor akseptable rammer for bærekraft, miljø, dyrevelferd og trygg mat. Jeg er veldig glad for at komiteen løfter fram dette, for dette er det virkelige tyngdepunktet i Fiskeri- og kystdepartementets forskningsinnsats. Om lag 75 pst. av forskningsmidlene som vi rår over, går til disse formålene. Vi fortsetter å bygge opp kunnskapen om hvordan vi best kan forvalte og høste av fisken og andre marine ressurser. God forvaltningsforskning fordrer at vi driver en total havmiljøovervåking. I tråd med havressursloven arbeider vi for at bestandene og økosystemene skal forvaltes i sammenheng. Det stiller store krav til kunnskap og data om disse sammenhengene. Fortsatt er det mye vi ikke vet om det Havforskningsinstituttet er godt i gang med å utvikle en flerbestandsforvaltning. Lodde og torsk i Barentshavet forvaltes allerede i sammenheng. Nå arbeides det med kunnskapsgrunnlaget for å kunne levere økosystembaserte kvoteråd også for de viktigste pelagiske nøkkelartene i Norskehavet. Vi deler 90 pst. av våre fiskebestander med andre stater. Det sier seg at internasjonalt samarbeid innenfor marin forskning er en forutsetning for en god forvaltning totalt sett. En viktig prioritering i 2011 vil være å utvikle et stort europeisk forskningsprogram for havrelaterte problemstillinger, Norge er en av initiativtakerne til dette programmet, som ventes å få stor betydning for europeisk samarbeid om marin forskning. Oppfølging av bærekraftstrategien for havbruksnæringen er høyt prioritert i 2011. Forskningsmiljøene arbeider med å utvikle metoder for å måle miljøpåvirkning, slik at det kan settes grenser for miljøavtrykk. Særlig viktig i denne sammenhengen er problemstillinger som genetisk påvirkning mellom oppdrettsfisk og villfisk, sykdom og smittespredning. Lakselus er et særlig viktig forskningsfelt. Norske og tyske forskere er nå snart i mål med å kartlegge lakselusens genom. Det vil bety at vi er et viktig skritt videre mot nye behandlingsmetoder og

den miljørettede forskningen for forvaltningen. Den skal legge grunnlaget for at vi kan leve av havets ressurser, ikke bare neste år, men i generasjonene som kommer. Det blir replikkordskifte. Dette er

jeg det er grunn til å gi honnør til statsråden for at hun faktisk prioriterer å være til stede her likevel. Den forskningen som skjer i regi av fiskeriministeren, er av grunnleggende betydning for bosettingen langs hele kysten, som også statsråden selv var inne på. For å drive havforskning er man som oftest avhengig av å ha en båt, eller helst noen flere. Man er avhengig av å ha topp kvalitet, laboratorieinfrastruktur om bord i fartøyene, og ikke minst at båtene, i hvert fall noen av de båtene vi bruker, faktisk tåler is, noe som i sum gjør at med. Derfor har jeg lyst til å sette fokus på den merknaden som komiteen også i år har lagt inn. Man ønsker at havforskningen skal få en styrket rolle for å øke samarbeidet, slik at vi får flere seilingsdøgn, og kanskje ikke så stort fokus på flere båter. Hvordan vil statsråden

Når det gjelder drift av forskningsfartøyer, er jeg glad for at komiteen har merket seg den viktige rollen som Havforskningsinstituttet etter hvert har fått i forhold til koordinering av de største statlige forskningsfartøyene. Dette er et samarbeid med flere institutter, som går tilbake til tidlig på 1990-tallet, da Universitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet startet et samarbeid, da med bruk av forskningsfartøyet «Jan Mayen».

og at man på en måte vektlegger at vi har fartøyene på havet, og ikke nødvendigvis antall fartøyer. Men så er det jo slik at instituttsektoren i Norge er veldig forskjellig. Også instituttene internt, som på en eller annen måte er finansiert over Fiskeridepartementets budsjett, er det ganske stor forskjell på hvordan man finansierer, f.eks. med hensyn til Jeg er av den oppfatning at målet for hele denne sektoren er at vi skulle hatt jevnere konkurransevilkår. Er det noe statsråden også er opptatt av for hennes institutter? Når det gjelder forskningsfartøy, er jeg helt enig i at det er antall seilingsdøgn som er viktig. Så

knyttet til de forvaltningsrettede i forhold til de næringsrettede instituttene. Mesteparten av pengene over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett går jo til de forvaltningsrettede – altså til Havforskningsinstituttet – som absolutt er det største. Når det gjelder de næringsrettede, går det i hvert fall ikke an å sammenligne dem med hverandre. Det er helt opplagt at de at de forvaltningsrettede forskningsinstituttene ikke skal konkurrere der de næringsrettede er. I den listen som jeg har fått, hvor de næringsrettede instituttene er sammenlignet, ser det ut som om de blir behandlet relativt likt. Jeg kunne ha lagt fram den tabellen, men det kan vi ta etterpå. Jeg synes også det er veldig positivt at fiskeriministeren deltar i denne debatten,

marin sektor er en av våre aller viktigste og største næringer, også når det gjelder eksport. Mye av sektorens forskning må derfor skje i regi av bedriftene. Jeg lurer på om fiskeriministeren er enig med Høyre i at det må legges til rette for at det blir mer attraktivt for bedriftene i Norge å drive med egen forskning, f.eks. gjennom å utvide og forsterke SkatteFUNN-ordningen, som er den viktigste for bedriftene.

til dels bitte små – og mellomstore bedrifter. Hver for seg har de selvsagt ikke de samme finansielle muskler til å finansiere forskning. Det jeg nå ser med stor glede, er at i hvert fall de større bedriftene bidrar sterkt. Men for å ta ned utfordringene knyttet til disse små bedriftene har vi jo etablert Fiskeri- som nå også drar stor nytte av at prisene, ikke minst innenfor laksesektoren, har gått opp, slik at de får mer midler til neste år. For øvrig merker jeg meg at SkatteFUNN er et godt redskap som også marin sektor benytter seg av.

ser den debatten som har vært innenfor havbruk og lakselus og sånt i det siste. For ikke veldig lenge siden var det et oppklaringsmøte mellom Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet der man skulle prøve å samle seg, slik at man kunne være litt mer faktaorientert i denne debatten – tror jeg jeg målet var. I ettertid virker det vel kanskje ikke som man lyktes helt med det, i og med at forskere fra Havforskningsinstituttet har stått fram med en mening når de er på statslønn, og så en annen mening akkurat samme dag, på ettermiddagen, fordi de har verv i diverse råd. Er statsråden komfortabel med dette? Det som representanten Bakke-Jensen tar opp, er jo en særdeles interessant debatt, ikke bare knyttet til enkeltaktører, men til at vi har noen institutter som må forvalte instituttets mening. Så er det selvsagt slik at aktive og engasjerte forskere også deltar i den offentlige debatten, og det setter jeg stor pris på. De er i dette tilfellet med i et vitenskapelig råd. Men det jeg må forholde meg til i hverdagen, er jo instituttets råd overfor departementet i forvaltningsspørsmål. Det har jeg absolutt ingen problemer eller utfordringer med. Så får vi være glad for aktive og engasjerte forskere, som jeg da legger til grunn uttaler seg basert på kunnskap og